oppgaver fra fylkesmenn, fra direktorat og fra statlige etater til fylkeskommunen? La meg bare slå fast at jeg er grunnleggende uenig i beskrivelsen av kommunereformen. Vi ser tvert imot at veldig mange og særlig små kommuner ser at de står sterkere sammen, og derfor sier ja til å gå sammen med andre kommuner. Det gjør de fordi de tar ansvar for samfunnsutviklingen, tar ansvar for å kunne gi innbyggerne sine gode tjenester for fremtiden. Jeg registrerer at Senterpartiet nasjonalt lener seg tilbake, kritiserer og tror at alt blir som det var bare man ikke gjør noen endring. Men slik blir det ikke. Vi er nødt til, som nasjonale politikere, å ta ansvar for samfunnsutviklingen som kan håndtere de kommune- og fylkesgrenseoverskridende utfordringene, enten det gjelder klima, miljø, å ta vare på jorda eller sørge for næringsutvikling i landet vårt. Jeg har tro på at vi skal få det til. Med Stortingets vedtak om tre forvaltningsnivåer har jeg til og med fått høre at statsråden er kommet ut av skapet som regionalist! Jeg mener at skal vi ha tre forvaltningsnivåer, må vi sørge for at vi får et godt og regionalt nivå som kan løse viktige samfunnsutfordringer fremover. Derfor går jeg løs på denne oppgaven, og derfor har jeg også god dialog med fylkesordførerne fra ulike partier i hele landet. Takk for svaret – det var vel egentlig ikke et svar på hovedspørsmålet mitt. Høringsinstansene, og særlig fylkene som var på høring, etterlyste en annen rekkefølge i denne reformen. Oppgavene må på plass først, før vi vet hvor store vi bør bli for å løse oppgavene. Hva vil statsråden si til dem som nå etterlyser konkrete, nye oppgaver til regionene? Hvorfor er ikke de på plass før fylkene skal diskutere hvordan de skal organisere seg? For å bruke en landbruksmetafor som vi er ganske gode på i Senterpartiet: Skal du bygge om fjøset ditt, er det greit å vite om du skal til med høner eller kyr. Her skal nå fylkene bygge om strukturen uten at de vet hvilket innhold de skal fylle den med. Det stortingsflertallet er helt tydelig på, er at det er helt uaktuelt å flytte oppgaver til dagens fylkeskommuner. Dagens fylkeskommuner har ikke noe flertall i dagens storting. Det er derimot et flertall for ti regioner fordi med om lag ti regioner, bedre er i stand til å løse de samfunnsutfordringene vi står overfor. Da blir oppgavediskusjonen litt høna-og-egget-diskusjon. Vi mener at det er viktig å se at vi faktisk får en struktur som er fremtidsrettet, og som kan håndtere utfordringene og bidra til vekst og utvikling i alle deler av landet. Så har vi allerede foreslått noen oppgaver og noe ansvar som kan overflyttes, og vi er åpne for at man også kan gå videre. Jeg kunne ønske også å invitere Senterpartiet med i en konstruktiv dialog om dette. Jeg mener at alle partier, uavhengig av ståsted, burde ha en interesse av at vi får et regionalt nivå som kan håndtere de utfordringene vi overfor. SV er
for en regionreform, men vi mener at vi rett og slett må vite hva vi skal bruke regionene til, før vi ommøblerer norgeskartet. Det ser det ikke ut til at statsråden er så veldig opptatt av. I mitt innlegg var jeg inne på dette med regional planlegging, arealplanlegging, at det å kunne ivareta klimamål, styrke jordvern og løse trafikkutfordringene ved boligetablering og ved næringsarealer, vil kreve regionale løsninger, og at de regionale løsningene må være noe som er bindende, mens det som regjeringen foreslår, er å si at man vil vurdere hvordan man kan gjøre regional planlegging mer forpliktende – altså ikke forpliktende, men mer forpliktende – for regionalt nivå, for kommunene og for de regionale statlige aktørene. Det er ganske stor forskjell på det. Det ene løser oppgaven – det som regjeringen har foreslått, løser ikke oppgaven. Jeg er uenig i det. Jeg er derimot enig i at vi har en del utfordringer som krever en mer forpliktende regional planlegging. Det handler om å kunne ta vare på matjord, det handler om å kunne håndtere klima- og miljøutfordringer, det handler om å legge til rette for planlegging av infrastruktur, utbyggingsprosjekter osv. Vi utstyrer nå regioner, fylker og kommuner med verktøy for å få dette til. Noe av det første vi fikk på plass, var byutviklingsavtaler, som innebærer at kommune, fylke og stat skal opptre som mer likeverdige partnere for å få til en god samfunnsutvikling. Det er kommunene som har ansvaret for boligbygging og

Der er vi uenig. SV mener det, regjeringen og flertallet mener det ikke, dessverre. Jeg vil ta opp det andre temaet som jeg nevnte i mitt innlegg, nemlig desentralisert høyere utdanning. Det er et regionalpolitisk virkemiddel som må styrkes, for det vil være helt avgjørende for regionene at de sjøl kan skaffe utdanning til sin befolkning – også til sin voksne befolkning – der og da, slik at de kan stå i arbeidslivet, ha familie, slippe å flytte på seg, kunne drive utvikling kontinuerlig ut fra sine behov og interesser, og ikke nødvendigvis ut fra at det finnes en høyskole eller et universitet som har lyst til å gjøre akkurat dette der og da. Ser statsråden det samme

videreutdanning. Jeg mener at for en region som skal ha større ansvar for regional samfunnsutvikling, hvor man skal se på næringsutvikling og kompetanseutvikling, er kompetansestrategier et viktig virkemiddel. Det må da selvsagt være et tett samarbeid mellom regionene og universiteter og høyskoler. Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Stortinget har slått fast at det skal vere eit nivå mellom kommunane og staten, og i dag slår Stortinget fast at det skal vere om lag ti regionar. Dei nye regionane vil få eit heilskapleg ansvar for fylkesvegnettet. Regionane vil også få langt større råderett over næringsutvikling, samferdsle og andre viktige oppgåver enn dagens fylkeskommune. Når dei nye regionane er på plass, vil det også bli starta eit arbeid for å tilpasse fleire statsetatar til dei nye regiongrensene, og for å få til det blir regjeringa beden om å setje ned eit ekspertutval som skal føreslå oppgåver frå direktorat/tilsyn og regional stat til regionane. Eg er svært glad for at mitt eige heimfylke er ein pådrivar for å få til ein sterk vestlandsregion, og eg vil gje ros for det arbeidet som fylkespolitikarane og fylkesordføraren gjer for å få til dette.

Dei har store forventningar til at Stortinget og regjeringa i det vidare arbeidet med regionreforma vil bidra til at den kunstige grensa mellom Nordland og Troms blir historie frå og med 1. januar 2020. I grenseområda mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er det også kome innspel om at grensa er til stort hinder for å utvikle ein sterk og framtidsretta bu- og arbeidsregion, og at denne fylkesgrensa også kan vere til hinder for Det same ser vi i andre enden av Møre og Romsdal, der kommunar ser seg best tente med å slå seg saman med kommunar på den andre sida av fylkesgrensa. På våre reiser med komiteen har dette også vore teke opp som eit viktig ønske i arbeidet med kommune- og regionreforma. Eit fleirtal i komiteen viser til at regionreforma vil få konsekvensar for samhandlinga mellom kommunane, regionen og staten. I grenseområda mellom dei nye regionane vil det også vere ulike meiningar om kvar regiongrensene skal Det same fleirtalet viser også til at det er viktig at kommunane engasjerer seg og deltek i prosessen med regionreforma, og at kommunane sine innspel også må vektleggjast i det vidare arbeidet med regionreforma. No har kommunane sjansen til å vere med på å teikne kartet over dei framtidige regiongrensene både gjennom handsaminga i fylkeskommunane før 1. desember og som eigne innspel inn mot Stortinget si handsaming neste vår. Dei nye regiongrensene vil bli ståande i mange tiår, og då må dei vere tenlege for å skape vekst og utvikling i samanhengande bu- og

hvor mange nivå det skulle være. Vi er fornøyd med at vi har fått det tredje nivået. Dette er en desentralisering gjennom de vedtak vi gjør i dag. Så er det mange som velger å kritisere, siden vi nå gjør en vesentlig omkalfatring av noe som har vart siden 1804. Det er en historisk dag, der mange heller velger å skue bakover. Det er ingen tvil om at med 19 fylkeskommuner hadde det ikke vært mulig å desentralisere så mange Det er ingen tvil om at med 19 fylkeskommuner hadde det ikke vært mulig å desentralisere så mange oppgaver som spesielt representanter fra Senterpartiet peker på. Vi har aldri lagt skjul på fra Venstres side at vi hadde ønsket sju–ni regioner, der det hadde vært mulig å legge de regionale helseforetakene. Jeg ser på det som fremmes fra mindretallet, helseforetakene. Jeg ser på det som fremmes fra mindretallet, og jeg må med respekt å melde si at når det samme mindretallet er entusiastisk i dag, så synes jeg det er bra. Jeg velger å si at da er det helhetlig, et helt storting som vil være rimelig enig når det kommer enda flere oppgaver som skal legges ut. Det vil være en enighet som

folkeavstemninger. Her legges det opp til at det er det nasjonale parlament som tar styring over hele reformen, sånn som det også har skjedd før når det gjelder nasjonale helseforetak osv. Det er ikke noe unikt i denne sammenhengen. Her påberoper vi oss retten til faktisk å inndele Norge, men samtidig åpner vi for de nødvendige

jeg ble ikke bare overrasket, jeg ble overrasket og skuffet over at det i det hele tatt er mulig å legge fram et slikt dokument. Det bærer preg av en regjering som ikke vil noe når det gjelder sterkere regioner. Det som ligger i stortingsmeldingen, er knapt en konklusjon, knapt et forslag. Alt ses nærmere på, og en skal «ta sikte på». Dette er ingen regionreform. Dette er snakk om noen fylkessammenslåinger, og det er noe annet. Det skal sies at det har blitt strammet opp litt gjennom behandlingen i Stortinget, takket være Venstre og Kristelig Folkeparti, men fortsatt er det ikke på langt nær dit at vi kan snakke om en regionreform. Min tilnærming er følgende: Enten må vi gjøre dette ordentlig, eller så får vi la hele greia være. Nå må vi ha lært av kommunereformen, hvor vi ikke har gjort det ordentlig, og hvor kommunalministeren nå – og han er i grunnen en katalysator for det – ser at vi har kommunesammenslåinger etter innfallsmetoden. Det er total mangel på styring av prosjektet. Ikke det heller blir en kommunereform. Vi får noen kommunesammenslåinger hist og her. Han har til og med sagt at det er greit at kommuner som ikke har felles grense, slår seg sammen. Noen sier at vi må ta struktur først, og så kommer oppgavene. Noen sier at vi må ta oppgavene, og så strukturen. Jeg mener begge deler er feil. Jeg mener at det må gjøres samtidig – begge deler, både struktur og oppgaver. Det var det som gikk gærent i kommunereformdiskusjonen. Den tredje tingen som gikk gærent der, var at midt i prosessen vedtok Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre et nytt inntektssystem for kommunesektoren. Det er åpenbar organisasjonsteori at innhold, struktur og økonomiske rammebetingelser må tas samtidig når en skal omorganisere.

Oslo. Det kunne vært interessant å høre kommunalministeren si litt om hvordan han vurderer situasjonen i hovedstadsområdet og Oslos posisjon.

Fleirtalet vil at eit ekspertutval skal finna ut kva oppgåver dei nye regionane skal ha, men at om lag ti regionar vil vera høveleg for det ekspertane kjem fram til. Ja, det kan det konkluderast med alt i dag. Tannhelseteneste er ei oppgåve som har vorte ein kasteball i puslespelet om oppgåvefordeling mellom stat, region og kommune. Eg er ikkje kjend med at politiske parti har gått til val på å flytta tannhelsetenesta frå dei folkevalde fylkestinga til dei folkevalde kommunestyra. Det finst ingen haldepunkt, utgreiingar eller analyser som viser at innbyggjarane vil få eit like godt eller likeverdig tenestetilbod ved å flytta denne tenesta. Det er tvert imot fare for at dei eksisterande fagmiljøa vert oppsplitta, og at kvaliteten på Tidlegare utgreiingar, NOU 2005:11, Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet og St.meld. nr. 35 for 2006–2007, om framtidas tannhelsetenester, har konkludert med at den offentlege tannhelsetenesta bør forankrast på fylkeskommunalt nivå. Den norske tannlegeforening har åtvara mot konsekvensane av ei slik flytting, som ikkje er greidd ut i tilstrekkeleg grad. Dagens norske tannhelsemodell har vist seg å vera veldig vellykka. Modellen har gitt gode resultat, også sett i internasjonal samanheng. I komitéinnstillinga viser fire parti, Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, SV og Arbeidarpartiet, i realiteten at dei meiner at dei beste argumenta tilseier at tannhelse vert verande som ei Så har verken Høgre, Framstegspartiet eller Venstre i innstillinga noka meining i denne viktige saka. Dersom det betyr at dei ikkje lenger meiner at dette er ein god idé, og at saka er til modning, er eg glad for det. Eg har ikkje høyrt nokon argumentera med at ressursbruken i tannhelsetenesta er dårleg, og at Eg har ikkje høyrt nokon argumentera med at ressursbruken i tannhelsetenesta er dårleg, og at han vil verta betre ved ei omorganisering. I dag skulle vi ha diskutert kva nye oppgåver som kom til regionane, men det er få som snakkar om at regionane faktisk mister ei veldig viktig oppgåve, som er vellykka, og Senterpartiet er veldig bekymra for kvaliteten ved å splitta opp fagmiljøet på denne måten. Jeg vil si takk til

oppleves ikke viktige nok. Større regioner uten viktig innhold vil slite enda mer. Det er det Fremskrittspartiet og Høyre vil, for da kan de fjerne det nivået. Det bør i hvert fall Kristelig Folkeparti og Venstre være veldig klar over. Da representanten fra Venstre, saksordføreren, var her oppe, nevnte han f.eks. ikke dette med at folkevalgt nivå må ha en type identitet. Det har man i for liten grad i fylkene i dag. Hvordan skal den styrkes hvis dette bare gjelder oppgaver som er bitte litt mer av det som fylkesmannen driver med? Det er ikke akkurat noe som vil få befolkningen veldig engasjert. Hvis man derimot får virkemidler for sjøl å kunne drive sykehus, hvis man får virkemidler der man kan drive overordnet areal- og transportplanlegging slik at man får klimavennlig bo- og transportpolitikk og vern av matjord, og hvis man får virkemidler og har noen penger å legge på bordet for å kunne drive eller i hvert fall initiere desentralisert høyere utdanning og den kompetansen man trenger i området, vil det være noe som befolkningen kan være engasjert i.

samarbeidspartner for kommuner, for næringsliv og for utdanningsinstitusjoner som universiteter og høyskoler – ikke bare norske, de kan også være fra andre steder. Jeg har sittet i styret i en slik stiftelse i Kongsvinger i 25 år, og det går bra. Fremdeles får den stiftelsen litt penger over statsbudsjettet. Det fungerer veldig godt, men det fungerer fordi man har noe å legge i potten Og det fungerer fordi man har kapasitet til å finne ut hvilken utdanning næringslivet og offentlig sektor trenger i dette området, og hva slags utdanning befolkningen mangler som kan bidra til en bedre utvikling for hele området. Det er slike virkemidler SV mener må ligge her, både når det gjelder næringsutvikling, når det gjelder samferdsel, når det gjelder kultur, og når det gjelder utdanning – i tillegg til at man ikke må vingeklippe oppgaver som fylkeskommunen i dag løser bra.

Venstre løper fra egne løfter og er mer opptatt av tallet ti regioner enn av hva oppgavene og innholdet skal være. I Venstres program står det at de vil gi «de nye regionene helhetlig politisk faglig og finansielt ansvar for samferdsel, landbruk, nærings- og videregående opplæring, miljøvern og kulturminnevern, regional planlegging og sikkerhet og beredskap». Videre står det at de vil flytte «forvaltning av arealbestemmelser, senterstruktur og andre skjønnspregede retningslinjer fra Fylkesmannsembetet til de nye regionene». Det er hva Venstre vil. Nå sørger Venstre for at debatten ute i regionene kan ende opp i en ren geografidebatt uten at man kjenner innholdet, uten at man kjenner oppgavene. Det fremmer ikke målsettingen. Noe burde man jo ha lært av kommunereformen, slik tidligere talere har vært inne på, der mangel på klarhet i oppgaver mange steder førte til at kommunene ikke så noe poeng i å slå seg sammen. Venstre – og Kristelig Folkeparti for så vidt – spiller høyt med en regionreform som et flertall i denne salen faktisk ønsker, men som Venstre og Kristelig Folkeparti i dag ikke tør å være med på å konkretisere. De nøyer seg med en ny utredning, og det er

det nivået som en del av oss er veldig begeistret for, som vi også fikk gjennomslag for, og som vi nettopp har debatten om i dag. Jeg er for så vidt enig med representanten Karin Andersen i at vi gjerne skulle hatt mulighet til mer skreddersøm innen høyere utdanning rundt omkring. Men jeg respekterer for så vidt at det også er en del saker som har passert, før vi kom fram til den debatten som vi har hatt her i dag. Vi skulle gjerne hatt inn på det regionale nivået, der vi hadde hatt muligheten til skreddersøm. Heldigvis har vi mulighet til det gjennom fagskolene. Det tror jeg er fornuftig, men jeg hadde gjerne sett at vi også hadde hatt et høyskolesystem med mulighet til nettopp den skreddersømmen. Så kan en gjerne drive med en omkampmentalitet eksempelvis for tannhelse. Vi tilfører vesentlige oppgaver til det regionale nivået i dag, og jeg tror at kommunene på en utmerket måte kan tilby tannbehandling til sine innbyggere. I andre sammenhenger vil jo det samme partiet som er mest kritisk til det, gjerne ha flere oppgaver til det lokale nivået, altså kommunen, men i denne sammenhengen ønsker en det ikke. Fortsatt vil videregående skole ligge på det regionale nivået. Her er det framført, som vi også var enige om i fjor i i salen her, at det unntaket som også de rød-grønne hadde tidligere, bare framføres videre. Hvis en har en sånn entusiasme for det regionale nivået, og det har jeg for så vidt forstått at vi har, håper jeg at en i større grad kan prate det opp. Det jeg opplever i dag, er at en prøver å prate det regionale nivået ned, og det synes jeg er beklagelig.

i fylkeskommunen i Sør-Trøndelag fra 1987 til 1999. I denne perioden hadde fylkeskommunene ansvar for helsevernet for psykisk utviklingshemmede, de hadde ansvaret for sykehus, for psykiatri, for rusfeltet, for barnevernet, osv. – oppgaver som fylkeskommunen også den gangen håndterte på en meget god måte. Etter den tid er mange av disse oppgavene delegert ned til kommunene, mens noe er sentralisert oppover til staten – oppgaver som var viktige for kommunene og for innbyggerne som bodde der, som skulle ha et nært forhold til sine tjenester. Skal vi utvikle gode, sterke regioner som er underlagt direkte folkevalgt styring, og som kan og vil ta et styrende ansvar, må vi også gi dem oppgaver deretter – oppgaver som er meningsfylte, oppgaver som har betydning for dem som bor i disse områdene. Når Trøndelag nå har tatt det steget, når disse to fylkeskommunene har funnet sammen og funnet det riktig å utløse dette til et felles regionalt nivå og skape gode tjenester for sine områder, er det ikke på grunn av regjeringen, men på tross av regjeringen. Når vi skal ha en kommunereform og en regionreform, handler det ikke om tall, statistikk og grenser. Det handler om innhold og kvalitet, det handler om barnehage, skole, eldreomsorg, fylkesveier osv. Det handler ikke om å

beskrive de arbeidsoppgavene som må til, og som dette nivået skal ha og forvalte på en god og trygg måte for sine innbyggere. Disse oppgavene og denne fortellingen har ikke regjeringen eller statsråden på noen måte fortalt. Det er derfor det skjer at flere kommuner sier nei til denne strukturen og denne reformen, og derfor er det enda viktigere i tiden framover at vi greier å snu dette på en god måte. Det er ikke nok å si at vi skal ha ti regioner, så blir dette veldig bra. Det snakkes om at kunnskapen og oppgavene i kommunene knyttet til disse tjenestene er blitt for store. Men det er jo Stortinget som har delegert dette. Har Stortinget delegert det til kommunene med viten om at dette er folk som ikke jobber godt nok eller ikke har god kompetanse? Nei, i dag vet vi at folk som bor i dette landet, har en mye høyere kompetanse innenfor barnehager, skoler og velferdstjenester. Vi er kanskje det folket i verden som er høyest utdannet, og vi vil håndtere dette på en meget god måte. Representanten Karin Andersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Først til saksordfører: Det er

Når representanten fra Venstre også argumenterer mot at disse regionene skal ha noen virkemidler for å kunne styrke desentralisert høyere utdanning, og later som om det er noe som er nedstemt eller ikke har stått på kartet før, er det tatt ut av lufta. Det må være mulig å ha noen virkemidler for å få det til. SV kommer til å stemme imot I, II og SV kommer til å stemme imot I, II og III. Vi har bedre forslag sjøl, og vi er uenig i premisset – nemlig ti regioner – som ligger til

bør overføres til fylkeskommunene. Styring av sykehusene. I første omgang ved å fjerne de regionale helseforetakene og beholde de etablerte sykehusforetakene, men med styrer hvor et flertall er oppnevnt av fylkestinget. Overføring av ansvaret for det statlige barnevernet gjennom Bufetat til fylkeskommunene. Overføring av ansvaret for distriktspsykiatriske barnevernet gjennom Bufetat til fylkeskommunene. Overføring av ansvaret for distriktspsykiatriske klinikker. Familievernet overføres fra stat til fylkeskommune. Regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres til fylkeskommunene. Regionapparatet til Innovasjon Norge overføres til fylkeskommunene. Deler av Forskningsrådets program overføres til fylkeskommunene. Festivalstøtte fra Kulturrådet overføres til Skadefellingsløyver på rovvilt overføres fra Fylkesmannen til fylkeskommunene. Videregående opplæring og fagskolene videreføres som rene fylkeskommunale oppgaver og legges ikke til enkelte byer. Ansvaret for kollektivtrafikk videreføres som fylkeskommunale oppgaver. Den offentlige tannhelsetjenesten tilbakeføres til fylkeskommunene. Det var våre 14 forslag. Senterpartiet var innstilt på å støtte til romertallsvedtak, men etter å ha hørt debatten i dag vil jeg varsle at vi kommer til å stemme imot I, II og III. Det er ikke fordi vi er uenige. Det er fordi vi har bedre forslag selv. Vi er selvsagt enige i at sams veiadministrasjon skal over til regionalt nivå, men etter å ha hørt premissene fra statsråden og regjeringspartiene i dag, om at det fordrer ti regioner, kan vi ikke stemme for de vedtakene. Det høres ut som det legges inn en premiss om at hvis vi ikke kommer ned på ti regioner, skal vi ikke legge nye oppgaver til fylkeskommunen. Det er grunnen til at vi stemmer imot forslag til vedtak I, II og III i dag. Jeg har noen refleksjoner etter en – så langt – underlig debatt. Når det gjelder Senterpartiet, er

Venstre, det forundrer meg litt. At de ikke fikk det til i egen periode, må jo gi noen refleksjoner rundt dette. I tillegg har de programfestet reformen, så jeg etterlyser begeistringen som måtte ligge i det. Dessuten vil en ikke gå inn for et bestemt antall, men det er så jeg etterlyser begeistringen som måtte ligge i det. Dessuten vil en ikke gå inn for et bestemt antall, men det er helt innlysende at oppgaver vil bli flyttet i den grad antallet blir lavt nok. Det er helt innlysende og i alle fall nokså elementær organisasjonskunnskap. Når det gjelder ekspertutvalget, er jeg sikker på at hvis vi ikke hadde avtalt å ha ekspertutvalg, hadde det blitt kritikken. Da hadde man sagt: Hvor blir det av fagligheten, hvor blir det av utredning av konsekvenser, og hvor blir det av oppgavene? så mange oppgaver som nå ligger til ekspertutvalget å utrede, etterlyser jeg heller denne siden fra Arbeiderpartiet og SV. SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som nå vil handle så raskt, hadde åtte år uten at det har skjedd. Jeg velger heller å glede meg over at Kristelig Folkeparti og Venstre har fått et godt samarbeid med regjeringen om saker som Arbeiderpartiet og SV står her og sier at de er for.

for nå skal mange fylkespolitikere fra alle partier i alle deler av landet gå i gang med et stort og viktig arbeid. Jeg har sett hva det har krevd av fylkespolitikere i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Jeg har som statsråd vært en samarbeidspartner, samspiller, med fylkespolitikerne i nord og sør for å legge til rette for en konklusjon som de selv har ønsket, bl.a. at de la fylkesmannsembetet til Nord-Trøndelag. Jeg mener det er viktig at vi som nasjonale politikere opptrer som samarbeidspartnere for dem som jobber lokalt og regionalt. Det har vi et felles ansvar for å gjøre når fylkespolitikerne nå skal i gang med regionreformen. Selvsagt skal vi diskutere oppgaver, selvsagt skal vi diskutere hvor mye, hvor raskt, men jeg mener at vi også har et ansvar for å gi trygghet til de politikerne – fra nord til sør, fra øst til vest – som skal i gang med dette viktige arbeidet. Så jeg håper at alle partier, ikke minst Arbeiderpartiet, ser at her har man et ansvar for å få dette til.

å samtale om. I den videre reisen med hensyn til regionreform håper jeg og er positiv til – jeg har ikke stått i mygglandet i Østfold – at Arbeiderpartiet kommer i prosess, for jeg oppfatter Arbeiderpartiet som positiv til reformen. Jeg håper at Arbeiderpartiet da vil være med og være bidragsytere i dette. Jeg oppfatter helt tydelig at Arbeiderpartiet og og flertallet i utgangspunktet er enig i sak, at dette er viktig å få på plass. Den invitten gir jeg, for jeg ser fra mitt fylke og min framtidige region, Trøndelag, at Arbeiderpartiet har vært med i spiss. Jeg håper virkelig at Arbeiderpartiet kan ha den muligheten også på landsplan, ved at vi da kan komme oss videre, for dette er en veldig god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

av 27. april 2016 om sammenslåing til Trøndelag fylke. Jeg synes det er viktig å si på en slik historisk dag at en sammenslåing ikke hadde vært mulig dersom ikke et flertall i denne sal hadde ment at vi fortsatt skal ha tre folkevalgte nivå i Norge. Venstre er veldig godt fornøyd med det, og har nok en gang presisert det gjennom å behandle regionmeldingen. Fylkestingene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vedtok i oktober 2014 å igangsette en felles utredning om samling av Trøndelags-fylkene. Komiteen viser til at regjeringen har invitert alle landets fylker til en naboprat i forbindelse med den kommende regionreformen. Komiteens flertall ser svært positivt på at Trøndelags-fylkene, som første nye region, viser vei i den kommende regionreformen. Komiteen viser til høringen, der 8 av 23 kommuner i Nord-Trøndelag og alle de 23 kommunene i Sør-Trøndelag var positive til sammenslåing. I Nord-Trøndelag var bare to kommuner negative, mens tre var betinget negative. Komiteen viser også til at av statlige myndigheter uttrykker flere seg positivt til sammenslåing, mens ingen uttrykker seg negativt. Videre viser komiteen til at begge fylkestingene vedtok å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Resultatet viste at et flertall i befolkningen i begge fylkene var for en sammenslåing. Videre viser komiteen til proposisjonen, der det foreslås at staten som et utgangspunkt vil legge til rette for å dekke ekstrakostnadene ved fylkessammenslåinger, slik Stortinget også har lagt til grunn i kommunereformen. Komiteen viser også til at det for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, etter den foreslåtte modellen, vil utløse statlige utbetalinger på 30 mill. kr. Komiteen viser til at eventuelle endringer av valgdistrikt til stortingsvalg må fremmes gjennom endringer i Grunnloven. Komiteens flertall viser til at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har gjennomført en god og involverende prosess. En vil også peke på at det i intensjonsplanen for samling av Trøndelags-fylkene står følgende: «Fylkestingene er enige om å arbeide for at fylkesmannsembetet i en sammenslått region skal ha hovedsete i Steinkjer.» Det vises videre til at regjeringen har besluttet at fylkesmannsembetene i Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen til ett embete fra 1. januar 2018. Komiteen har merket seg at både Steinkjer og Trondheim opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte fylkesmannsembetet, med at dette vil innebære at den nye Fylkesmannen har sitt hovedkontor i Steinkjer med de funksjonene som er nødvendige for å kunne utøve rollen som fylkesmann. Dette er en gledens dag. Venstre har ment at den nye Trøndelags-regionen vil bli en kraft for utvikling av regionen. Jeg ønsker alle lykke til videre på ferden. Det er ikke til å komme fra at en dag som dette har mange av oss i Trøndelag, fra flere partier, ivret for. Venstre i Trøndelag har i lang, lang tid vært tydelig på at dette har vært rett vei å gå. I Trøndelag har vi at dette har vært rett vei å gå. I Trøndelag har vi en felles identitet, vi har en felles historie, og ikke minst ser vi som har vært enige om dette, at dette skaper muligheter. Dette skaper muligheter som vi knapt har sett tidligere. Dette har vært overmodent, og ikke minst tror jeg at det også vil skape nettopp den identitetsfølelsen som jeg som trønder har. Jeg må si at etter 200 års skille er vi endelig i lag, hele Trøndelag, og det er nesten så vi burde hatt en egen gratulasjonsseremoni i dag.

for å gjøre Kongens jobb med å styre ovenfra og ned enklere. Trøndelag betyr «trøndernes lovområde». Trønder kan for øvrig bety «den som trives» eller «den som oppdretter gris». For fordums trøndere var nok det ganske sammenfallende verdier. I dag er Trøndelag så utrolig mye mer enn svineavl og trivsel. Faktisk finnes det i dag trøndere som aldri har spist eller aldri kommer til å spise svin. Trøndelag er hjem for trøndere med opprinnelse fra ulike land og fra ulike landsdeler – en region som befolkningsmessig er liten, sammenlignet med de største regionene i Europa, men som kan bli blant de beste, og ikke bare i skisporet, i Champions League eller hos nobelforsamlingen, hvis de store ressursene samordnes og mobiliseres. Det er ambisjoner som ligger til grunn for trøndernes initiativ til å samle seg igjen etter å ha blitt tvangsskilt av danskekongen. I dag kaldkveler vi myten om trege trøndere. De er først i frasparket. Trøndelags-fylkene har i mange år hatt et tettere samarbeid enn andre to fylker i landet vårt. Å gå sammen nå var det riktige neste steget. Det mener Arbeiderpartiet i Trøndelag, som har vært i front for utviklingen, og det slutter Arbeiderpartiet i Stortinget helhjertet opp om i dag – før regionreformen er sparket i gang, og mens kommunereformen humper videre. Dette skjer selvfølgelig ikke fordi det ikke har vært motforestillinger, men fordi motforestillingene har vært en levende del av debatten og Trøndelags-fylkene har forhandlet som likeverdige parter, ikke som stor og liten. Her finner man læring som kan overføres til de andre som nå skal i gang. Den minste parten må bli sett og hørt, og viktige funksjoner må deles for å skape et nytt fellesskap. Nå blir det mulig fortsatt å finne en kontorist fra Steinkjer, som DDE synger om i monsterhiten «Vinsjan på kaia», for Fylkesmannen har regjeringen plassert med hovedsetet i Steinkjer, den gamle fylkeshovedstaden. En ny folkevalgt region vil bygge på alle trønderske ressurser, for det som har gjort Norge unikt, er at vi har greid å kombinere fantastiske kunnskapsmiljøer i storbyene med det at vi er en råvarenasjon. Skal vi fortsatt greie det, må vi styrke strengen mellom ny kunnskap og foredling av råvarer og naturressurser. Å drive regional utvikling med utgangspunkt i et råvarerikt omland og havrom og en nobelprispremiert universitetsby og flere småbyer er nesten en drøm. Man må være trønder for å tro på det. Trøndelags framtid er utvikling, kreativitet og ikke minst samarbeid på veldig mange plan – økonomisk, kulturelt og kunnskapsmessig. Et godt samfunn for menneskene som bor i Trøndelag. Noe å leve av og noe å leve for. Det er menneskene, alle de som bor og virker i Trøndelag, som er den aller viktigste ressursen. Nå vokser det sammen, det som hører sammen. Å Trøndelag, du slette tid! Det sies om trønderen at han er

viktig for Trøndelag, men det er også viktig i et større perspektiv. Det å få sterkere regioner har vi i forrige sak slått fast er noe vi ønsker for landet vårt fordi det – hvis vi får funksjonelle og gode regioner med viktige oppgaver – kan bidra til en bedre balansert utvikling i Norge. Ikke minst er Trøndelag et lysende eksempel for alle de andre fylkene, som nå har ballen, og som skal gå i gang med jobben med å finne sammen. Fylkeskommunen er et folkevalgt nivå som har slitt med legitimiteten og i mange år har levd med en usikker framtid, men som med dagens behandling i den forrige og denne saken kan få tilført økt livskraft og relevans i form av Skal et regionalt nivå ha kraft til å være samfunnsutvikler og en skikkelig tjenesteleverandør, må det endring til. Det har Trøndelag tatt konsekvensen av. Høyre erkjenner at det er flertall i denne salen for tre folkevalgte nivå, men vi er også opptatt av at hele offentlig sektor skal være tjenlige redskaper for innbyggere og for næringsliv og virke for Men da må også det regionale nivået reformeres, og Trøndelag går altså foran. Nå er det fylkeskommunene som har ballen. Jeg håper også de andre fylkeskommunene kommer tilbake med fornuftige, omforente forslag til inndeling. Mange ser til Trøndelag for hvordan man kan få til en god prosess – og debatt betyr ikke ensidighet, debatt betyr ulike standpunkter som er brynt mot hverandre – men også hvordan man innenfor en ny region kan få til en balansert utvikling. For det har vært slik, som andre har påpekt, at det har vært viktig hvilke funksjoner som fordeles til ulike deler av en ny region. Man får en balansert utvikling innenfor en ny og større region. Jeg har lyst til å gratulere Trøndelag med prosessen. Man går sammen som en ny region fra 1. januar 2018. I en debatt i går behandlet vi lovendringsforslag til inndelingsloven, der Arbeiderpartiet stemte imot å ta inn i loven adgangen til å gjøre denne typen sammenslåinger uten først å ha ekstraordinære valg. I denne saken er det gledelig at Stortinget ligger an til å akseptere den prosessen som Trøndelag har ønsket seg, og som gjør at de to fylkestingene og fylkesrådet i Nord-Trøndelag går sammen i en fellesnemnd uten at det må avholdes et ekstraordinært valg først. Men jeg har fortsatt til gode å få klarhet i hva Arbeiderpartiet egentlig har ment og mener når det gjelder det spørsmålet, siden det var en smule uklart da vi behandlet inndelingsloven i går. Men det er en gledens dag. Vi har i forrige sak i praksis vedtatt at antall fylker skal halveres. Vi ønsker oss ti regioner. I forbindelse med kveldens senere votering tror jeg det i praksis vedtatt at antall fylker skal halveres. Vi ønsker oss ti regioner. I forbindelse med kveldens senere votering tror jeg det kommer til å ta omtrent – kanskje under – to minutter fra Stortinget har vedtatt ti regioner, til vi har

Det er slik at når det rører på seg i Trøndelag, følger vi med i Rogaland. Jeg skal med glede si noen ord. Det er jo veldig spesielt at etter 200 år og Kongens avgjørelse i København skal vi altså slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Det er egentlig en stor sak, og det er helt i tråd med regionreformens mål, og det er i tråd med Kristelig Folkepartis ønske. det. Jeg har lyst til å trekke fram det som Nord- og Sør-Trøndelag ble enige om i en felles målsetting for prosessen. De ble i god tid enige om at målet er en region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft. For å lykkes er det vesentlig å videreutvikle det folkevalgte, regionale nivået gjennom å effektivisere og styrke forvaltningen ved sammenslåing av fylkeskommunene. En slik styrking vil også gjøre fylkeskommunene bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver. Det er slik at Trøndelag har en rik historie. Det er på mange måter en felles identitet der, selv om det er mange spenninger også i Trøndelag, men det framstår for meg som en legitim størrelse, og det er en interessant prosess vi har vært vitne til. Jeg er glad for at jeg har fått være med på fylkesårsmøter i mitt parti i Trøndelag i noen år nå, og de arrangerer deler av årsmøtene felles. Jeg er glad for at mitt parti har bidratt i denne prosessen. Derfor vil jeg fra talerstolen gratulere både Sør- og

altså før departementet ba om at det ble satt i gang slike prosesser rundt omkring i alle landets fylker. Dette er et initiativ som i aller høyeste grad har kommet lokalt. Stortingsflertallet, alle unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, sa i innstillingen til at det er behov for folkevalgt styring på regionalt nivå i Norge, og at eventuelle endringer i fylkesstrukturen, på samme måte som endringer i kommunestrukturen, må bygge på lokale ønsker. Det har de to Trøndelags-fylkene lagt til grunn for sine prosesser som i dag munner ut i vedtak om å etablere en ny fylkeskommune, Trøndelag. Rask behandling i Stortinget gjør at Trøndelags-fylkene nå kan starte arbeidet med å bygge et nytt Trøndelag. Senterpartiet mener søknaden fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag om sammenslåing skal imøtekommes. Det er en frivillig sammenslåing som er basert på lokale ønsker og slik vi i Senterpartiet mener spørsmål om kommune- eller fylkessammenslåing skal være. Noen merknader har vi likevel til den prosessen Trøndelags-fylkene har valgt, og til den videre oppfølging av vedtaket om sammenslåing. Inndelingslovens bestemmelser om innbyggermedvirkning gjelder kommunesammenslåinger og

Informasjonsmøter eller ulike former for meningsmålinger kan ikke erstatte invitasjon til direkte medvirkning gjennom en folkeavstemning. Det nye Trøndelag fylke blir landets nest største fylke i areal. For Senterpartiet er det viktig at sammenslåing skal få mest mulig positive og minst mulig negative konsekvenser for bosetting og aktivitet i alle deler av regionen. Vi vet av erfaring at kommunesammenslåing virker sentraliserende, og det samme kan bli tilfellet med sammenslåing av fylker om en ikke har oppmerksomhet på å forhindre det. Derfor er det etter min mening positivt at samarbeidsavtalen mellom de to fylkene legger til grunn at Steinkjer skal få en sentral plass som administrasjonssenter for den nye fylkeskommunen. Komiteen viser i sin innstilling til regjeringens beslutning om at fylkesmannsembetene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag skal slås sammen fra 2018, og at Steinkjer skal være embetets hovedsete. For Senterpartiet er det viktig at disse to beslutningene om å sikre Steinkjers plass som administrasjonssenter følges opp. Hoveddelen av fylkeskommunens og Fylkesmannens administrasjon må legges til Steinkjer for å sikre en god regional balanse i det nye fylket. Det vil være en rekke praktiske konsekvenser av vedtak om fylkessammenslåing. Departementet sier det vil komme tilbake til Stortinget med oppfølging av disse. Ett av de vanskeligste spørsmålene blir hvilke konsekvenser fylkessammenslåing skal få for Grunnlovens bestemmelser om 19 valgdistrikt med ett utjamningsmandat på hvert fylke. Sammenslåingen vil også ha konsekvenser for valglovens bestemmelser for stortingsvalg. Departementet sier det vil legge til rette for at det fremmes en proposisjon om endringer i valgloven i god tid før stortingsvalget i 2021. Endringer i Grunnlovens bestemmelser vil først kunne gjøres gjeldende fra stortingsvalget Senterpartiet vil ikke forskuttere hvilke følger fylkessammenslåing bør få for endringer av antall valgdistrikt ved stortingsvalg. Dette vil ha vesentlige konsekvenser som må vurderes grundig, og hvor hensynet til å opprettholde god regional Det er mulig det er fornuftig at valgdistriktet følger nye fylkesgrenser, men det er også fullt mulig å opprettholde dagens 19 valgdistrikt selv om antall fylker reduseres.

pisk. Derfor vil SV selvfølgelig støtte et slikt vedtak, som er gjort lokalt. Det har vært ulike meninger. I Nord-Trøndelag har det vært en stor sak og kamp om å få folkeavstemning om dette. SV var sterkt tilhenger av det. Man burde, etter vår mening, ha spurt Det ble ikke gjort, og det ble gjort et vedtak som er entydig. SV følger da opp det og har nå lokalt tatt veldig sterke initiativ – og er i tillegg godt i gang med samarbeidet over fylkesgrensene i partisammenheng. Representanten Skjelstad og flere andre har vært oppe her og snakket veldig sterkt om identiteten som trønder. Det tror jeg er viktig i denne saken. De fleste av oss skjønner hva en trønder er. Hvis vi går rundt i resten av landet og ser, er det vel slik at noen er nordlendinger, noen er finnmarkinger. Så er det vel noen som er rogalendinger. I mitt eget fylke er det nesten ingen som er «hedemarking» – de er hedmarkinger. Det betyr at du bor langs Mjøsa, eller så er du glåmdøl. Det betyr at det er veldig forskjellig landet over hvor sterk den identiteten som er knyttet til landsdel eller fylke, er. Det er en av grunnene til at jeg opplever at man må være lydhør overfor slike lokale identiteter når man skal lage regioner. Hvis man ikke er det, må man ha tunge oppgaver som kan legitimere hvis man altså ikke har denne identiteten. Jeg kommer fra det området av landet som nå kalles innlandet. Det er ingen av oss som kaller seg innlending – det måtte liksom være det motsatte av utlending, da, og det gir ingen mening. Her er det litt ulike ståsteder i de ulike delene av landet – og også veldig ulike transportårer og sammenhengende arbeids- og boregioner eller veldig mye lokalt samkvem på sammenhengende arbeids- og boregioner eller veldig mye lokalt samkvem på ulik basis. Så det er litt ulikt utgangspunkt for de ulike delene av landet vårt. Så til dette med valgdistrikter. I saken om regionreform har SV et forslag – og Senterpartiet om at det bør, mener vi, lages en NOU, altså lages en stor utredning om dette. Det er lett å slutte logisk at man bør ha valgdistrikter med folkevalgte som korresponderer med regioner lokalt. Det er litt rart å skulle velge folk til Stortinget fra noen enheter som ikke lenger finnes. Samtidig er dette en grunnlovssak. Og det er et veldig finstemt system, der man også har tatt distrikts- og regionalpolitiske hensyn ved sammensetningen av antall mandater til Stortinget. Det er lett å tenke seg at man med disse grepene kan oppleve en enda sterkere type sentralisering, og at de store, tunge sentraliseringstendensene blir forsterket av at man får et valgsystem som forsterker det enda mer, og som gjør at dette snakket om like gode tjenester, gode muligheter og muligheter til å bo i hele landet blir mer snakk enn realitet. Til slutt vil jeg kommentere at det ble sagt – jeg har ikke notert hvem det var som var oppe her og sa det – at i forrige sak har man vedtatt ti regioner. Det ligger ikke noe slikt forslag til vedtak på bordet i

Det er derfor positivt å se at Stortinget støtter forslaget om sammenslåing av et samlet Trøndelag fylke. Dette varsler også at regionreformen er i gang og at dagens fylkesstruktur, som har vært uendret siden midten av 1800-tallet, nå er i endring. Vi kan nå få første endring i fylkesstrukturen siden Bergen ble innlemmet i Hordaland i 1972. Regjeringen mener at et samlet Trøndelag støtter viktige begrunnelser for en reform av regionstrukturen. Ett Trøndelag er en helhetlig region. Trøndelag omfatter større og mindre byer, omland og distrikter og et variert næringsliv. Sammenliknet med i dag vil et samlet Trøndelag få større muligheter. Det blir selvsagt også flere utfordringer i et større fylke. Det blir flere innbyggere, flere hensyn å ta og større mangfold av interesser. De folkevalgte på fylkesnivå i Trøndelag har vært klar over dette. Likevel har de valgt å fokusere på mulighetene et samlet Trøndelag vil kunne gi. De har vist politisk lederskap og lagt ned en stor innsats for å realisere et samlet Trøndelag. Jeg merker meg at noen partier mener at innbyggerne ikke har blitt hørt godt nok. Etter min vurdering har innbyggerne vært involvert på flere arenaer i begge fylker, både gjennom folkemøter og innbyggerundersøkelser. Fylkestingene mener at de har hatt god involvering av sine innbyggere, og da mener jeg at Stortinget og regjeringen bør respektere det. I proposisjonen skisserer vi noen av konsekvensene ved sammenslåing av Trøndelags-fylkene spesielt og fylker generelt. Det er positivt at Stortinget støtter vårt forslag til en standardisert modell for dekning av engangskostnader. Dette er en forenkling både for de aktuelle fylkeskommunene og for staten.

med jevne mellomrom, og vi peker derfor på at det vil være ønskelig med en revisjon rundt 2020. En bred regionreform krever også en gjennomgang av inntektssystemet, men uansett resultat av regionreformen er det rundt 2020 behov for en revidering. Endringer i fylkesstrukturen vil også påvirke gjennomføringen av stortingsvalg ettersom fylkene

Men de synger også: «Men sammen så veie vi fleire tonn, med littegrann hjølp gjer det littegrann monn.» Statsråden har virkelig bidratt med lite grann hjelp i denne prosessen. Nå ble statsråden i den forrige saken beskyldt for å være skap-regionalist. Jeg tror statsråden er skap-trønder, som så mange andre i dette landet. Jeg vil spørre var i Trøndelags-prosessen og hvordan man kan lære av dette når de andre fylkeskommunene skal begynne å rigge seg for regionreformen, som statsråden og flertallspartiene tidligere i dag har lagt rammene for. Jeg takker for Jeg tror kanskje at noe av det viktigste man kan lære av Trøndelags-prosessen, er at politikerne fra ulike partier og fra to fylker har vært romslige mot hverandre. Jeg tror det er en forutsetning at dette ikke handler om en kamp mellom byer og distrikter, mellom nord og sør, men om hva vi kan få til sammen som vi ikke kan få til hver for oss. Det andre jeg tror er viktig, er at man har vært opptatt av å få til en god regional balanse, at dette ikke handler om at Trondheim skal bli større og sterkere, men at man skal få til en god regional balanse i en ny region. Det var også bakgrunnen for at jeg tydeliggjorde at hovedsetet for ny fylkesmann skal være i Steinkjer. Jeg tror en regional balanse er et viktig suksesskriterium for å få dette til. La meg følge opp der forrige kollega slapp, med å gratulere statsråden med vel utført arbeid og godt samarbeid med det første steget i den neste regionreformen, og det bringer meg over til noe av det mest interessante: de styrkede mulighetene til Trøndelag, som også statsråden var inne på. Er det noen oppgaver, muligheter eller ting som statsråden har lyst til å teste ut i Trøndelag, som han ser for seg er naturlig at Trøndelag får prøvd først i denne reformen, som nå vil gå over

eller når Petter Northug og Marit Bjørgen går for gull i «Øst-Trøndelag», bedre kjent som Falun – da står vi sammen. I Trøndelag er det helt fantastiske muligheter for fem ting. Det ene er utdanning. Den nye regionen Trøndelag vil bli det første fylket – eller region, om en vil – som har to universiteter. Det må også statsråden og regjeringen ta hensyn til i oppgavene og mulighetene som skal komme for Trøndelag. Det jobber i dag 15 000 mennesker innen teknologirettet sektor i Trondheim tilknyttet NTNU, der mange av bedriftene og startup-bedriftene har kommet rett ut, med kommersialisering og vellykkede prosjekter. Hvis vi skal klare å skape like produktive arbeidsplasser i det som vi kaller omstillinger, eller det grønne skiftet, om en vil, må vi ha en storstilt satsing på nye NTNU, på Ocean Space Centre, vi må ha forskningsmiljø som er sterke rundt HUNT og rundt Levanger-miljøet på helse, så vi klarer å finne nye antibiotikamedisiner mot de resistente bakteriene, som er en av de største utfordringene vi ser i dag. I tillegg er makten innenfor verdens matfat i endring. Den dreier seg nordover, og den dreier seg mot Trøndelag. Den nye regionen må få økonomiske muskler til å være med og skape arbeidsplasser i denne omstillingen, men også ta i bruk alle de fantastiske mulighetene som må knyttes sammen, og der vi må se virkemidlene i en helhet, fra utdanningen, fra verdens mest fantastiske ungdom, som vi har i dette flotte landet og i Trøndelag, og helt til dem som allerede driver i dag, til Hitra, til Rørosmat, til Oppdal, og vi har Frosta. Vi har også verdens beste havressurser.

og gjennom det baner vi vei for andre landsdeler. Dermed viser trønderne at vi likevel ikke er så trege som mange kanskje vil ha det til. Tar du Trøndelag ut av historiebøkene, blir det bare permene igjen, sa Jon Leirfall i sin tid. Og det skrives nasjonal historie i dag, med Trøndelag i hovedrollen. Fylkene er blant de eldste statsstrukturene – la oss kalle det det – vi har Trøndelag hadde tilbake på 500-tallet en av landets første representative styringsstrukturer, Frostatinget, og Trøndelag er faktisk den eneste landsdelen som har ordet lov i navnet. Det gamle Trondhjems amt, som ble etablert i 1687 etter innføringen av eneveldet, ble av styringsmessige hensyn delt i to i 1804. Grensen mellom Nordre og Søndre Trondhjems amt ble trukket opp etter det som var ferdselsåren på den nemlig sjøen. Grensen mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag så vi trøndere etter hvert ble irrelevant og til hinder for gode løsninger og utvikling. Fylke betyr samling – om det som betyr mest. For trønderen var og er det også et spørsmål om makt og innflytelse. Trønderen er en urgammel stridbar sjel, ikke minst et motmaktmenneske. Det er sterke politiske kulturer i som reflekterer det fortsatt. Nå skal vi bygge det nye Trøndelag, ta mulighetene i bruk. Det som er hovedmålet med reformen sett fra trønderens perspektiv, er å gi bedre tjenester, gi næringslivet konkurransekraft, sikre framtidig vekst og utvikling i fylket og å bygge et sterkt regionalt partnerskap for å styrke regionens posisjon og innflytelse nasjonalt. Men ikke minst er det en viktig forventning i Trøndelag om at regjeringen og Stortinget nå vil spre politisk og forvaltningsmessig makt og myndighet til det nye folkevalgte regionale nivået, til en region som vil ha kompetanse og kapasitet til å ta på seg flere oppgaver framover. Jeg vil takke statsråden spesielt for positiv medvirkning og for beslutninger som har vært helt nødvendige for å komme dit vi er i dag. Jeg vil spesielt trekke fram at den første felles fylkesmannen for Trøndelag på over 200 år får sitt sete i det nye administrasjonssenteret for Trøndelag i en beslutning som ble en myteknuser om regionreformen som en sentraliseringsreform, hvor regjeringen i praksis viser vilje og evne til å spre makt og kompetanse – en viktig forutsetning for å skape en balansert utvikling i hele regionen. På denne historiske dagen er min oppfordring: «look to Trøndelag» – og gjør som oss! Dagen i dag er

Trondheim er motoren i bo- og arbeidsregionen Trøndelag, og vi ser at den største befolkningsveksten finner vi på aksen Orkanger–Stjørdal. Vi heier på Rosenborg og opplever at ski-VM og OL, for den saks skyld, i praksis har vært trønderske mesterskap. Vømmøl, DDE og Åge er trønderske artister. Våre spel og festivaler viser med tydelighet at kulturen og Våre spel og festivaler viser med tydelighet at kulturen og de historiske begivenhetene har vært preget av at vi i praksis har vært én region i mange hundre år. Målsettingen med å slå sammen fylkene er å legge til rette for en region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft. Trøndelag har rike naturressurser, og det eksporteres millionvis med laksemåltider fra kysten vår. Skogen er den nest største eksportnæringen, og de trønderske bøndene produserer en stor andel av maten vi spiser her i landet. Vi har rike tradisjoner innenfor industrien. Norges kampflybase bygges nå i Ørland, og Europas største vindpark bygges i Åfjord. Våre kunnskaps- og forskningsmiljøer i Trondheim er verdensledende innenfor viktige områder som f.eks. miljøteknologi. Vi sier at framtiden skapes i Trøndelag, og

Vi får nå et tydelig tyngdepunkt i Midt-Norge. Det vil være viktig for å tiltrekke seg nye innbyggere og nytt næringsliv, og stemmen mot nasjonale myndigheter blir tydeligere. God infrastruktur med gode veier og et godt kollektivtilbud vil på mange måter bli avgjørende viktig for å oppnå de målene vi setter oss med sammenslåingen av fylkene. Vi må tørre å erkjenne at nærheten til Trondheim vil være viktig. Derfor vil ny utbedret jernbane, asfalt på fylkesveiene og en ny godsterminal være uhyre viktig for regionen. Jeg var så heldig å få følge prosessen med å slå sammen Trøndelags-fylkene tett fra den spede begynnelsen i 2004 og fram til i dag, i egenskap av fylkespolitiker og nå stortingspolitiker. Det er stor grunn til å takke en samarbeidsvillig og offensiv kommunalminister, som hele tiden har støttet opp om det politiske miljøet i Trøndelag for at prosesser skal kunne gå raskt og I dag gratulerer vi trøndere hverandre med dagen, og Ingvild Kjerkol gjorde Willy Brandts ord til våre da hun sa: I dag vokser det sammen, det som hører sammen. Det er et godt bilde på det som skjer. Så har vi i debatten brukt mye tid på å

at nettopp regjeringens uforutsigbare signaler til kommunesektoren når det gjelder kommunereformen, må bære mye av skylda for at så få kommuner nå har funnet det fornuftig eller fristende å slå seg sammen. Nå er det viktig at ikke det samme skjer i fylkeskommunene over det ganske land. Jeg tror dermed at det blir ganske avgjørende at vi nå får gode erfaringer fra nettopp sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag. Når fylkespolitikere og innbyggere tar ansvar, sånn som trønderne nå har gjort, og viser vei, er det med en klar forventning om nye oppgaver. Det er blitt gjennomført et politisk håndverk av de sjeldne for at vi er der vi er i dag når det gjelder Trøndelag. Vi vet hvor krevende det også har vært. Ved siden av at trønderske fylkespolitikere viser vei, tror jeg at også Trøndelag og fortellingen om hvordan dette går, vil vise vei for andre fylker. Blir det en suksess, vil også flere se de gode sidene ved sammenslåing. Jeg tror dette kan være prosesser som vi også må være forberedt på at kan ta mange år. Det har vi også sett i andre land. I en del europeiske land har ikke flere oppgaver kommet til regionene som følge av raushet fra parlamentene, men etter knallhard dragkamp over mange år. Derfor påligger det et ansvar for alle partier i Stortinget for å bidra til at debatten kan holdes varm, og at prosessen med flere oppgaver kan

Skjelstad. Aller helst hadde jeg ønsket at vi i dag kunne ha gjort et vedtak i Stortinget som hadde sagt at vi hadde lagt ned det fylkeskommunale, regionale nivået. Jeg registrerer at stortingsflertallet ikke ønsker det, i hvert fall ikke riktig ennå. I lille Norge hadde det vært mer enn nok med to nivåer – staten og færre, men da hadde man virkelig kunne fått lokaldemokratiet til å blomstre. Når likevel situasjonen i Stortinget er som den er, er dette den nest beste løsningen. Regioner er bedre enn dagens fylkeskommuner. Trøndelag, som vi trøndere kaller området, uavhengig av om man vedtar en fylkessammenslåing i dag eller ikke, er et fantastisk område. Det er på mange måter et Norge i miniatyr, et Vi har fjell og fjord, vi har by og land som stort sett går hand i hand, vi har jordbruk, vi har fiskeri og oppdrett, og vi har sterke offentlige virksomheter og en av landets sterkeste kunnskapsklynger i Trondheim. Kritikken mot Trøndelag tidligere, i alle fall politisk, har vært at samarbeidet mellom fylkene har vært for dårlig. Man har vært for dårlig koordinert i politiske prosesser opp mot storebror staten, og man har derfor tapt i kampen mot andre fylker. Jeg er, som sagt, betinget positiv til vedtaket som gjøres i dag. Jeg er imidlertid usikker på om vedtaket vil rette opp i kritikken mot fylkene, og som fylkene også har rettet mot seg selv. De to gamle fylkene har blitt enige om å gjøre det bordet man skulle sitte felles rundt, til et bord på 12 mil mellom hver den ene enden i Trondheim, hvor regionordføreren skal sitte, og den andre bordenden i Steinkjer, der regionrådmannen skal sitte. Jeg er usikker på hvor mye mer koordinerte prosesser det blir av det. Jeg mener det er legitimt å være bekymret for Oslo-makta, det har jeg vært lenge, men man kjemper ikke ned Oslo-makta ved å svekke makt- og kraftsentrumet i regionen. Men det er altså ikke en konsekvens av vedtak vi gjør her i dag i Stortinget, det er konsekvenser som fylkespolitikere i Nord- og Sør-Trøndelag må ta på sin

Trøndelag er ikke bare historisk sett en viktig region, som også sprer folk ut på andre benker i denne salen, det er også kjent at norgeshistorien hadde vært en ganske kort epistel hvis det ikke hadde vært for Trøndelags posisjon i den. Her starter man også en annen viktig reform i Norge med sammenslåing av Trøndelags-fylkene. I motsetning til representanten Bjørnstad er jeg for at vi skal ha tre nivå. Hadde ikke Venstre vært med og slått fast det også i denne stortingsperioden, hadde denne reformen ikke startet. Da hadde heller ikke de sammenslåingene vi nå ser, vært bra. Olav Duun sa: «Verda er vakker ho, berre du ser ho frå rette kanten.» Hvis du ser denne prosessen fra liberale sin kant, er dette vi nå starter på, en god start på den regionreformen. Det har vært en god prosess. Et annet Duun-sitat er: «Fjella, dei står der dei står. Dei veit kor dei hører til.» Det er vel ikke noen store endringer som egentlig skjer i trøndersk identitet ved denne sammenslåingen. Men for meg, som inne i den trønderske identiteten også er namdaling, mener jeg at dette er Namdalens store sjanse. sjanse. Jeg har lyst til å symbolisere det med de kampene som Namdalen har prøvd å kjempe i et fylke som egentlig er for svakt til å klare de store satsningene. Nå tror jeg at Namdalen har masse muligheter til å være en del av et større lag. Nå har Namdalen muligheten til å utvikle sin namdalske identitet inne i Trøndelag, og nå har man muligheten til å være på lag med en større motor, som heter Trondheim. Det har vært en holdning, spesielt i Det har vært en holdning, spesielt i Nord-Trøndelag, at det av og til er viktig å lenke seg til dem som sliter og har det vanskelig, for å få mer støtte og hjelp. Jeg tenker at det er viktig å lenke seg til motoren i et miljø – det å sørge for at man faktisk er med på å bli dratt opp når man skal utvikle noe videre. Her har Namdalen masse sjanser nå som var vanskelig da man var i et lite fylke, som ikke hadde kraft til også å løfte Namdalen. Nå forventer jeg at Trondheim er med på å løfte Namdalen. Jeg forventer at universitets- og forskningsmiljøene er det. Jeg forventer at næringsmiljøene er det. Det er når vi får til disse koblingene, at vi også får muligheten til å løfte det som er ytterkantene i fylkene som de nå har dratt opp. Dette er en kjempesjanse, og det er en mulighet for at trøndersk identitet også kan utvikle mye bra levekår for folk i de to fylkene framover.

fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2015. Ombudsmannsnemnda for Forsvaret skal etter Stortingets vedtatte instruks for nemnda bidra til å sikre de allmennmenneskelige personell. Ombudsmannsnemndas virksomhet skal også bidra til å effektivisere Forsvaret. Som en del av nemndas virke har Ombudsmannsnemnda i 2015 gjennomført seks befaringer ved følgende anlegg: KNM Harald Haarfagre, Madla leir, Stavanger KNM Tordenskjold, Haakonsvern, Bergen NOR Mil Rep og MMB NATO Headquarters, Brussel, Belgia 138 Luftving, Ørland hovedflystasjon, Ørland Luftkrigsskolen, Trondheim Forsvarets personell- og Luftving, Ørland hovedflystasjon, Ørland Luftkrigsskolen, Trondheim Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Hamar/Oslo Komiteen har merket seg at Ombudsmannsnemnda på sine befaringer i 2015 har erfart mye positivt. Det utvises ifølge nemnda godt lederskap med tydelige holdninger, stor arbeidsvilje og hovedsakelig godt arbeidsmiljø. Når det gjelder oppfølging av fjorårets fem fokusområder, fremhever Ombudsmannsnemnda det som positivt at Forsvaret har tatt tak i de til dels store manglene i eiendom, bygg og anlegg som ble påpekt bl.a. ved brannstasjonen ved Bardufoss flystasjon. Et nytt bygg er nå under oppføring. Et annet forhold som særskilt ble rapportert om i fjorårets melding, var Komiteen viser til at lang saksbehandlingstid med sikkerhetsklareringer har vært en gjenganger i Ombudsmannsnemndas innberetning om Forsvarets virksomhet. Komiteen finner det gledelig at saksbehandlingstiden nå går ned som følge av styrkede personellressurser, nytt saksbehandlingsverktøy og ny forsøksordning for saksbehandling for førstegangstjenestegjørende. Komiteen har også merket seg at Ombudsmannsnemnda opplever at innføring av allmenn verneplikt for begge kjønn kjønn er blitt godt mottatt, og at arbeidet med tilpasning av utstyr og innkvartering er godt i gang, noe nemnda registrerer som meget bra. Komiteen viser til de merknadene som ble gitt til fjorårets Dokument 5, i Innst. 288 S for 2014–2015, og er svært godt fornøyd med at Forsvarsdepartementet og Forsvaret har tatt dette på alvor. er for øvrig gledelig å se at det har vært en kontinuerlig forbedring over tid med hensyn til de områdene som Ombudsmannsnemnda for Forsvaret har ansvar for. Dette må betraktes som godt arbeid. Jeg viser for øvrig til komiteens merknader og anbefaler med dette komiteens enstemmige innstilling.

er veldig gledelig at den nå har gått ned, og at man har satt i verk tiltak som ser ut til å fungere. Det som ikke kan måles, er Ombudsmannens egen rolle i å få fortgang i denne prosessen. Noe sier meg at den ikke er ubetydelig, og det er verdt å nevne fra denne talerstolen. Det er jo fristende når årsmeldingen ligger foran oss, å bruke et helt innlegg på hvor gledelig det er at Ombudsmannsnemnda melder at innføringen av allmenn verneplikt for begge kjønn har blitt godt mottatt i Forsvaret, og at arbeidet med tilpasning av utstyr og innkvartering er godt i gang, men det skal jeg ikke gjøre. Det jeg derimot har lyst til å peke på, er den rollen Ombudsmannen har, som vi ikke kan måle og for sine egne. Ombudsmannen har i 2015 behandlet 26 registrerte saker fra vernepliktige. De har blitt formelt behandlet og er godt beskrevet i rapporten. Men det jeg vil trekke fram, er beviset på at Ombudsmannen fungerer og fyller sin rolle på noe av det som kanskje er viktigst, nemlig på den uformelle arenaen. For i tillegg til de formelt registrerte klagesakene er det blitt behandlet en rekke henvendelser hvor Ombudsmannens kontor har gitt råd, veiledning og bidratt til å løse løpende saker på en uformell måte. Det oppnår man ikke med mindre man har en tung faglighet og en tillit som gjør at man opplever at Ombudsmannen faktisk er en ombudsmann, noen man kan gå til, noen som har både mandat og mulighet til å løse saker fortløpende, etter hvert som de dukker opp. Jeg hadde lyst til å bruke anledningen til å rose Ombudsmannen fra Stortingets talerstol og si at dette viser at den rollen fylles akkurat slik som den skal, og det er veldig trygt og gledelig. Forsvaret er

Undersøkelsen har høy svarprosent, faktisk over 70 pst., og det gis mange positive svar vedrørende jobbtilfredshet, engasjement og motivasjon. Det er svært gledelig. Ombudsmannsnemndas generelle inntrykk er positivt. Det utvises mye godt lederskap og stor arbeidsvilje, og det generelle inntrykket er at det er et godt arbeidsmiljø i Forsvaret. Det rapporteres om meget høy kvalitet på vernepliktige mannskaper. For kort tid siden hadde vi en annen sak fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til behandling her i denne sal hvor Forsvarets øverste ledelse ble sterkt kritisert. Det gjaldt avhendingsprosessene. Sett i lys av den negative oppmerksomheten som har blitt deler av Forsvaret og Forsvarets øverste ledelse til del den senere tid, er det ekstra hyggelig å lese Ombudsmannsnemndas rapport. Jeg vil gi ros til alle som bidrar til å skape en god arbeidsplass for militært og sivilt ansatte på alle nivå. Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen i 2015, så gir den som sagt mange positive svar. Samtidig ser forekomsten av uønsket seksuell oppmerksomhet samt erting og plaging ut til å ha økt noe i 2015. Nemnda registrerer at det fokuseres på dette, og at tiltak er under utarbeidelse. Men jeg vil understreke betydningen av at dette tas på alvor. Uønsket seksuell oppmerksomhet må bekjempes med et pågående og kontinuerlig arbeid. Mer generelt vil jeg peke på betydningen av at denne medarbeiderundersøkelsen brukes aktivt, og at funnene derfra tas på alvor. Disse undersøkelsene gir et viktig grunnlag for å kunne bedre de forholdene som

Utrustning som passer den enkelte, gjør ikke bare arbeidsdagen for soldaten bedre, men det kan også være helt avgjørende for at oppdraget soldaten er satt til å løse, blir løst på en god måte. Enkelte steder er det et kritisk underskudd når det kommer til ekstra store eller ekstra små størrelser. De tillitsvalgte mener at Forsvaret enten må sørge for å ha dette utstyret tilgjengelig for soldatene, eller eventuelt sette krav til hvor liten eller stor en kan være for å få anledning til å tjenestegjøre. De tillitsvalgte anser det som spesielt viktig å få på plass riktig utstyr i forkant av det store innrykket av kvinner som Forsvaret vil få i sommer. Når Forsvaret for første gang skal kalle inn kvinner med plikt til å tjenestegjøre, mener de tillitsvalgte at Forsvaret på sin side plikter å stille med nødvendig utstyr, tilpasset den enkelte soldat. Det er jeg helt enig i. Så skal det sies at det har vært stort fokus på bekledning knyttet til kvinner i Forsvaret, og det er særlig aktuelt nå, men riktig utstyr og bekledning må selvsagt gjelde for alle soldater, uansett kjønn. Jeg tror at det gjøres et grundig og intensivt arbeid i Forsvaret med dette. Så er det viktig at det nå prioriteres tilstrekkelig med ressurser til dette for å kunne legge forholdene til rette for begge kjønns tilstedeværelse i Forsvaret, og at vi får på plass nødvendig utstyr tilpasset den enkelte soldat. Så er det viktig å si at det generelle bildet er at innføringen av allmenn verneplikt for begge kjønn er blitt godt mottatt, og at arbeidet med tilpasning av utstyr og innkvartering er godt i gang. Nemnda registrerer dette som meget bra. Forsvaret løser mange utfordringer innenfor gitte ressursrammer. Nemnda stiller imidlertid spørsmål om det ikke bør stilles ekstra ressurser til rådighet,

Stortingets ombudsmannsnemnd for Forsvaret har levert en informativ rapport. Nemnda gir en nøktern og høyst relevant påpekning av de mange utfordringene Forsvaret står overfor i en meget krevende omstillingsprosess. I denne prosessen er det viktig å huske på nettopp det nemnda skriver i sin rapport – det rapporteres om høy grad av jobbtilfredshet, engasjement og motivasjon. Det generelle inntrykket er positivt. Kanskje er Ombudsmannsnemndas rolle viktigere enn noen gang nå – gjennom de omfattende endringsprosessene Forsvaret går igjennom. Mange opplever stadige omstillinger som svært krevende. Det er grunn til å gi honnør til Ombudsmannsnemnda, og det er grunn til å gi honnør til alle vernepliktige og militært og sivilt ansatte, som gjør en viktig innsats i Forsvaret og for landet vårt hver eneste dag.

fra Tillitsmannsordningen. Det gjør de i forbindelse med innføring av allmenn verneplikt. Jeg syns det er en fin og fornuftig gest som er en modernisering av navnet. Lang saksbehandlingstid i klareringssakene har vært utfordrende både for Forsvaret og for den enkelte, og i 2014 ble det, som komiteen er kjent med, en særlig krevende situasjon på grunn av feil og mangler ved innføring av det nye Ombudsmannsnemnda og komiteen var med rette veldig kritiske til denne utviklingen i fjorårets innberetning. Jeg delte denne bekymringen, og vi satte også umiddelbart i verk tiltak. Jeg informerte derfor Stortinget om hvilke tiltak som ble iverksatt for å redusere saksbehandlingstida til et akseptabelt nivå. Saksbehandlingstida ved Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet ble i fjor økt med over Mimir ble utbedret, og rutiner og prosedyrer ble endret sånn at klareringsprosessen ble mer effektiv. Sist vi diskuterte dette i komiteen, var i forbindelse med EOS-utvalgets årsmelding, og jeg tenkte derfor det var en god anledning til å gi en oppdatering på hvordan saksrestansene nå er. I dag er saksbehandlingstida både hos Forsvarets sikkerhetsavdeling og hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet betydelig redusert. Den siste rapporteringen viste en stor grad av måloppnåelse. eksempel er nå Forsvarets sikkerhetsavdelings restanseliste redusert med 65 pst. fra den høyeste målingen i fjor. Den 25. mai i år var det ca. 2 600 pågående saker mot 4 464 i september 2015. 2 600 regnes som et relativt lavt tall fordi det alltid vil være noen restanser i et så stort system når de behandler ca. 17 000 klareringer i året. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har redusert den gjennomsnittlige saksbehandlingstida i klagesaker med over 60 pst., fra 285 dager i snitt ved forrige rapportering til 117 dager i første tertial 2016. Når det gjelder klareringssakene til NSM, var gjennomsnittlig saksbehandlingstid i forrige rapporteringsperiode 133,6 dager, mens det nå i første tertial er 82,9 dager. Jeg er godt fornøyd med at utviklingen fortsetter å gå riktig vei, men det er et arbeid vi fortsatt kommer til å følge nøye fra departementets side. Jeg vil også opplyse om at Forsvarets framtidige målsetting om at klareringsspørsmålet skal være avklart før man møter til førstegangstjeneste, også fortsetter. Ordningen ble testet ut i fjor på sesjonssenteret på Kjevik med gode resultater. Målet er å innføre tilsvarende Jeg er glad for at både nemnda og komiteen følger dette arbeidet med interesse. Da jeg sto her for vel et år siden, var det et historisk år. Den 1. januar 2015 markerte starten på en viktig samfunnsreform. Det å verne om landets interesser, verdier og territorium gjelder nå for alle norske borgere. Det er nå en felles rett og en felles plikt til å gjennomføre verneplikten. 2016 er også et merkeår, for i sommer møter det første årskullet med vernepliktige kvinner til førstegangstjeneste. Men når det er sagt, pleier jeg alltid å minne om, i alle forsamlinger, at Norge har hatt kvinner i tjeneste i mange tiår. Det betyr at mye er allerede godt tilrettelagt for at det også er kvinner som er inne og tjenestegjør, men det trengs å gjøres enda mer, fordi vi kan forvente, om ikke en brå oppgang, så i alle fall en oppgang i antall kvinner som både er vernepliktige, og som også tjenestegjør i Forsvaret. Jeg er glad for at Ombudsmannsnemnda rapporterer at innføring av allmenn verneplikt har blitt godt mottatt. Nemnda erfarer også at det gjøres en rekke tiltak for å løse noen av de største utfordringene. Arbeidet med tilpasning av utstyr og innkvartering er godt i gang. Vi har har hatt kvinner som har tjenestegjort i Forsvaret i lang tid, og de siste årene har man gjort mye for å legge til rette for en jevnere kjønnsbalanse. Sammenholdt med komiteens merknader til fjorårets Dokument 5 registrerer jeg at komiteen er godt fornøyd med at Forsvaret har tatt innføring av allmenn verneplikt på alvor. Det er gjennomført omfattende og målrettet kommunikasjon mot både vernepliktige og foreldrene. Videre har det vært oppmerksomhet om likebehandling av kvinner og menn i sesjonsprosessen, og kvinneandelen blant vernepliktige forventes også å øke fra sommeren. Personlig bekledning og utrustning skal selvfølgelig tilpasses begge kjønn, og Forsvaret har derfor jobbet med forbedringer i utvalg, kvalitet og tilgang på utstyr, og også vurdert justeringer av rammeavtaler der det er nødvendig. Siden 2011 har det vært en økt satsing på å bedre boforholdene til soldatene. Standarden på eldre bygningsmasse er fortsatt en utfordring enkelte steder. Derfor har Forsvaret prioritert garnisoner som har størst behov for oppgradering. På Madla leir er det igangsatt et prosjekt, og på Ørland hovedflystasjon og i Huseby leir er det lagt planer for de nærmeste årene. Samtidig vil Forsvaret fortløpende identifisere og vurdere nødvendige behov relatert til forlegninger, sanitære forhold og andre fasiliteter. Både kvinnelige og mannlige soldater skal føle seg velkomne og respektert når de møter til tjeneste. Det påvirker rekruttering, motivasjon og mestring. Derfor er arbeidet med å videreutvikle en leder- og soldatkultur som er preget av gjensidig respekt, ansvar og samhold, så viktig. Jeg er også derfor veldig glad for at Ombudsmannsnemnda peker på de gode holdningene de møter når de er ute og inspiserer ulike avdelinger. Forsvaret gjør veldig mye godt arbeid på dette området, og arbeidet fortsetter med full styrke. Samlet sett skal Forsvaret være godt forberedt Jeg har klare forventninger til at Forsvaret vil tilrettelegge godt, selv om ikke alt er på plass med en gang. Jeg legger også til grunn at Forsvaret gjør lokale tilpasninger og sørger for midlertidige løsninger der det er behov for det. Men det store bildet er likevel veldig positivt. Vi er i en situasjon der vi kan velge mellom de best skikkede og mest motiverte fra et årskull. Årets vernepliktsundersøkelse viser at de vernepliktige gjennomgående har et veldig godt inntrykk av Forsvaret. Trivselen er veldig høy, og miljøet er godt. Mer enn åtte av ti av de spurte oppgir at de trives ganske eller meget godt. Undersøkelsen viser også at veldig mange ville valgt førstegangstjenesten om den hadde vært frivillig. Det er godt å se at det er så mange som ønsker å bidra til noe som er større enn dem selv. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra utenriks- og forsvarskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 12 og 13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

og hva målet var langsiktig. Det er altså sjelden jeg kommer med gledesutbrudd fra denne talerstolen, det må jeg innrømme, men dette er faktisk en gladsak som Stortinget bør ta imot med stor entusiasme. Vi trenger flere slike saker. Saken kan potensielt bety flere titalls nye, teknologisk avanserte arbeidsplasser som potensielt kan bli lagt til Rygge i Østfold. Det kan vel ikke være sånn at det er altfor mange arbeidsplasser i Østfold, det er i alle fall noen som kan trenge noen arbeidsplasser i Østfold, og nå kan de altså komme dit. Det er altså en seier for denne regjeringen, og ikke bare negativt om hva som skjer med flyseteavgifter og andre ting. Konkret dreier saken seg om regjeringens beslutning om å omdanne AIM fra statlig foretak til aksjeselskap. Det er en klok beslutning som underlig nok Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er imot. Heldigvis slutter både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti seg til Aksjeselskapet AIM med en statlig eierandel på 50 pst. vil sikre at fremtidig vedlikehold av motorene på F-35 vil kunne bli lagt til Norge. AIM vil kunne konkurrere om vedlikehold også av øvrige lands F-35-motorer. Omdannelsen til aksjeselskap er derfor fremtidsrettet. Bedriften som kommer inn på eiersiden i AIM, vil nødvendigvis måtte investere i utstyr som gjør AIM i stand til å levere konkurransedyktige tilbud. Da snakker vi om hundretalls millioner kroner, eksempelvis en motorbenk, som er meget avansert utstyr. Slike investeringer vil være betydelige, og det er ingen grunn til at dette skal finansieres av skattebetalerne over statsbudsjettet. Privat kapital gir rom for mer fleksibel og kommersiell virksomhet. Det er et godt eksempel på offentlig-privat samarbeid i praksis, hvor det er privat og offentlig kapital, mens private privat og offentlig kapital, mens private selskaper kommer inn med nye løsninger og konkurransekraft og gjør det mulig å konkurrere ute. Det er noe som staten ikke kan gjøre, eller den har gjort det tidligere, men ikke hatt særlig suksess. 3. juni ble det meldt at AIM Norway har kjøpt Belgium Engine Center, et motorsenter som driver reparasjon og vedlikehold av F-100-motoren, som sitter i kampflyene F-15 og Dette selskapet er også godt posisjonert for å bli det europeiske motorsenteret for F-35. BEC er eid av Pratt & Whitney, som er en av verdens ledende motorprodusenter. Oppkjøpet innebærer at AIM tar en stor del av dagens marked for vedlikehold av kampflymotorer i 14 ulike land. Bedriften vil da være i god posisjon for kommende avtaler. Omdanningen til aksjeselskap skjer ved at statsforetaket AIM Norway overtar alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i foretaket, samtidig som staten overtar alle aksjene i selskapet. Vedtaket Stortinget fatter i dag, vil gi staten anledning til å redusere sitt eierskap til 50 pst. Staten kan eventuelt også selge seg helt ut av selskapet, men det forutsetter at kjøper allerede innehar en statlig eierandel på minimum 50 pst. Mange vil oppfatte dette som en rettet invitasjon. invitasjon. Det er ikke meg imot. En eventuell transaksjon vil uansett bli gjort etter forhandlinger. Vedlikehold av motorer til kampfly høres kanskje ikke særlig sexy ut, og mange vil kanskje ta imot nyheten med et stort gjesp. Det burde de ikke gjøre. Potensialet innenfor vedlikehold av kampflymotorer er betydelig. Vi snakker potensielt om hundrevis av arbeidsplasser, videreutvikling av teknologisk kompetanse, og ikke minst en bevisstgjøring om at anskaffelser ikke kun har en utgiftsside, som vi har en tendens til å se på, men også en betydelig inntektsside. Det er faktisk slik at norsk forsvarsindustri eksporterer for 99 øre for hver krone vi bruker på å anskaffe forsvarsmateriell. Det å videreformidle dette budskapet at forsvarsindustrien har stor betydning for Norge, stor betydning for arbeidsplasser, stor betydning for kompetanse, stor betydning for teknologi, stor betydning for distriktene, stor betydning for underleverandører, og stor betydning for Norge i utlandet. Forsvarsindustrien må vi ta vare på. Den må ikke selges, men bli tatt vare på. Jeg vil først takke saksordføreren, som har bidratt til en veldig bred enighet i saken om AIMs framtid. Det tror jeg var viktig. Verkstedet er

Hvis verkstedet forblir på norske hender, er det også viktig i en beredskapssammenheng. I en krisesituasjon må vi ha verksteder for Forsvaret som er under norsk kontroll og helst har norsk eierskap. Dette dreier seg om Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller. I 2012 ble Målet den gangen var å bidra til å sikre en høykompetent vedlikeholdsvirksomhet basert i Norge, med alle forutsetninger for å kunne påta seg oppdrag tilknyttet sentralt luftforsvarsmateriell, også etter at F-16 og Sea King-helikoptrene blir faset ut, trolig rundt 2020. Verkstedet har hatt hovedansvaret for jagerfly og redningshelikoptre, og målet er at de bør få hovedansvaret for Joint Strike Fighter, eller F-35, og akkurat det har også komiteen vært opptatt av. Så må jeg legge til at da verkstedet ble omdannet til statsforetak, ble det bedyret fra departementet at det ikke på noen måte betydde at de noen gang skulle omdannes til aksjeselskap. La meg også legge til at omdannelsen til statsforetak har bidratt positivt til muligheten for verkstedet til å konkurrere om framtidige vedlikeholdsoppdrag. Statsforetaksformen særskilt organisasjonsmodell begrenser, som vi vet, styrets beslutningsmyndighet i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretaksformål, eller som vil endre virksomhetens karakter. Dette er viktig hvis man vil ha statlig kontroll med virksomheten. Omdanningen til statsforetak var en belastning for de ansatte. Det er enhver omorganisering, og det vet vi. De måtte bl.a. ut av den tariffavtalen de hadde, noe som også usikkerhet. Jeg tror det bør legges til at alle arbeidstakerorganisasjonene i høringen ga uttrykk for at de ansatte er slitne av omorganisering. Vi vet at når selskapet skal inn i enda en organisasjonsendring, vil det bety ytterligere påkjenninger for de ansatte. Så kommer beredskapshensyn, som jeg allerede har nevnt – at det er viktig for norsk forsvarspolitikk og norsk forsvarsevne at kompetansen og fagmiljøet på AIM opprettholdes. Det er viktig at Forsvaret også framover må ha kontroll over AIM, dette av sikkerhetspolitiske og forsvarspolitiske hensyn. Arbeiderpartiet støtter derfor i utgangspunktet, altså primært, ikke forslaget om å omdanne Aerospace Industrial Maintenance Norway SF – som det vel heter – til aksjeselskap. Men vi støtter det subsidiært. Subsidiært kan også vi gå inn for aksjeselskap, på svært vesentlige og viktige premisser, og det er her jeg vil rose saksordføreren for den måten han har kommet oss i møte på, og den måten han har bidratt til den brede enigheten på. For å sikre at den høyteknologiske kompetansen som i dag er i selskapet, forblir i Norge – også av sikkerhets- og beredskapsgrunner – mener vi at den statlige eierandelen ikke må være mindre enn 50 pst., og det er innstillingen. Dette kan sikres enten i form av en selvstendig eierandel i staten eller gjennom konsolidering med et selskap med stor statlig eierandel. Jeg er derfor glad for den konklusjonen vi er kommet fram til. Vi tror dette vil sikre arbeidsplasser med høy kompetanse på Østlandet på Kjeller og på Rygge. Helt til slutt: Det er svært viktig for oss å påpeke at nye eiere vil gi nye runder med omorganisering og usikkerhet, og at de ansatte skal være sikret sine rettigheter og pensjonsordninger i statsforetaket når det omdannes til aksjeselskap. Det gjelder også avtalen om en lukket, yrkesbasert pensjonsordning i Statens pensjonskasse for ansatte i selskapet før omdannelsen til statsforetak. Jeg er som sagt fornøyd med at vi i komiteen har veldig klare merknader på disse punktene.

AIM Norway er i dag et statsforetak som driver vedlikeholdsoppdrag knyttet til sentralt luftforsvarsmateriell som F-16 jagerfly og Sea King redningshelikoptre. Formålet med omdannelsen til aksjeselskap er å sikre selskapets posisjon ytterligere i en internasjonal konkurransesituasjon, gjøre det mulig for selskapet å ha flere eiere og kunne knytte til seg strategiske partnere som kan være med og utvikle selskapet videre, med de investeringsbehovene som kreves når nytt forsvarsmateriell fases inn, som de nye F-35-kampflyene og de nye helikoptrene. Det vil gi økt fleksibilitet til å tilpasse eierstrukturen til hva som er det beste for selskapet på lang sikt. Det er et mål å sikre at den høyteknologiske kompetansen i selskapet i dag forblir i Norge, og at en gjennom et statlig nedsalg vil gi norsk forsvarsindustri en god mulighet til å styrke sin posisjon og utvide virksomheten ved AIM Norway AS. Det er videre viktig å sikre driftskontinuitet – at driften videreføres i sin helhet uten at kunder og medkontrahenter berøres. Eksisterende avtaler med Forsvaret overføres til det nye selskapet. Styrets kompetanse vis-à-vis eier berøres heller ikke av omdanningen, og den vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for staten. Arbeidsgivers rettigheter og plikter ansattes rettigheter og pensjonsordninger videreføres. Tilgang på høyt kompetent personell og å beholde dem på norske hender er avgjørende for å sikre tilfredsstillende beredskap og Forsvarets operative evne. Høyre mener det er et viktig hensyn å sikre at hovedkontoret til det nye aksjeselskapet skal ligge i Norge, og jeg vil understreke at det er viktig for Høyre å sikre gode rammevilkår,

som en åpner for fullt nedsalg dersom kjøper har en statlig eierandel på minimum

men no når ein har oppnådd semje om at den statlege eigardelen ikkje skal vera mindre enn 50 pst., med mindre det skjer gjennom konsolidering med selskap eller aktørar med statleg eigarskap frå før, er Kristeleg Folkeparti samd i denne omdanninga. Det er høgkompetanse me har gjennom AIM, og det er dermed høgkompetansearbeidsplassar det er viktig å ta vare på

var grunna i eit ønskje om å setje verkstaden i stand til å kunne ta på seg større vedlikehaldsoppdrag knytte til nye kampfly og redningshelikopter. Den gongen vart det, som tidlegare nemnt, eigentleg lova at ein ikkje skulle gå vidare til omdanning til eit aksjeselskap. No ser ein kor mykje det er verdt i dag. Me ser at vedlikehaldsavtalar i aukande grad vert integrerte i kontraktane ved kjøp av nytt forsvarsmateriell, og det var den gongen viktig å leggje til rette for at AIM kunne vinne fram i marknader som vart etablerte, som ei følgje av denne utviklinga. Like fullt la ein i 2011 avgjerande vekt på å ha tilstrekkeleg kontroll over føretaket sine leveransar til Forsvaret. Senterpartiet meiner utsal av AIM ikkje er naudsynt for å sikre selskapet investeringsmidlar. Me deler heller ikkje regjeringa si vurdering av at privatisering automatisk fører til betre selskapsstyring og betre drift. Me har sett nok av døme på at privatisering ikkje gir betre styring. At ein her står overfor ein veksande marknad, er for oss òg eit argument for Gjennom nasjonal, statleg eigarskap i eit veksande selskap sikrar ein potensielt store og viktige inntekter til fellesskapen i Noreg. Eg vil vise til at då AIM vart omdanna til eit SF, var ein sentral del av grunngivinga for dette at ein ville sikre tilstrekkeleg kontroll over verksemda sine leveransar til Forsvaret. I proposisjonen legg regjeringa no mindre vekt på dette. Det verkar som om evna til kommersiell drift har vel så høg prioritet. Eg er oppteken av å vurdere dei samla konsekvensane for sikkerheit og samfunn ved eit utsal av AIM. Når ein legg andre problemstillingar, som forsvarsevne og sikring av fagmiljøet i Noreg, til grunn, ser me det som ei klårt betre løysing å halde på AIM som eit statsføretak. Det er

forsvaret. Etter vår oppfatning er det ikkje gode grunnar til at det skal omdannast frå eit statsføretak til eit aksjeselskap, og i utgangspunktet støttar ikkje vi det nedsalet som vart føreslått av regjeringa. Eg vil likevel leggje til at vi meiner at vi subsidiært kan stemme for det, fordi det no er sikra ei løysing der det for det første er ein klar nasjonal kontroll gjennom den eigarposten som ligg der det vil vere eit godt grunnlag for å forsikre seg om at hovudkontoret, arbeidsplassane og verksemda vert verande i Noreg, og der ein har funne ei løysing som gjer at vi føler oss trygge på at vilkåra og rettane til dei tilsette vert varetekne på ein god måte. Det er avgjerande, og det må vi stå ved overfor dei tilsette. Men at ein har funne ei god løysing for dei tilsette, er òg viktig for at det skal vere føreseieleg og mogleg å behalde kompetansen. Det ikkje berre viktig for dei tilsette, men det er òg viktig for selskapet og Forsvaret. Vi ser ikkje gode grunnar for og meiner at det ikkje er empiri for at det å omdanne eit statsføretak til eit aksjeselskap i seg sjølv skal gi nokon gevinstar, særleg ikkje i eit selskap som først og fremst er så vesentleg for Forsvaret – det er store, nasjonale interesser – og vi kjem subsidiært til å støtte

Regjeringa framhever i den nye nasjonale forsvarsindustrielle strategien som ble debattert og vedtatt her i Stortinget for ikke så lenge siden, viktigheten av å bygge en konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. AIM Norway er og vil være en viktig del av denne, og det er derfor viktig å Nå skal ikke jeg legge meg opp i de interne diskusjonene som var i den forrige regjeringa, om hvorvidt det skulle bli et aksjeselskap eller ikke på sikt, det tenker jeg er best å overlate til historiebøkene, men sånn som utviklingen i det internasjonale markedet for forsvarsindustrien nå er, er nettopp dette et veldig naturlig neste skritt for å posisjonere og konsolidere selskaper. Det er også godt i tråd med eierskapsmeldingen å gjøre dette. Som Liv Signe Navarsete var inne på i sitt innlegg, ble omdanningen til statsforetak i sin tid gjort nettopp fordi selskapet skulle kunne påta seg større vedlikeholdsoppdrag og ha mulighet til å påta seg nye oppdrag. Omdanning av AIM Norway til et AS og fullmakt til statlig endring av eierandel er viktig for at staten som eier skal ha den nødvendige fleksibiliteten til å tilpasse eierstrukturen til Private eiere kan bidra til å tilføre betydelig og relevant kompetanse, som er nødvendig for videreutvikling og posisjonering av selskapet. Det kan også bidra til synergieffekter med annen relevant forsvarsindustri. Dette er en industri som internasjonalt er i en ganske voldsom konsolideringsfase. Et nylig eksempel er Kongsberg Gruppens oppkjøp av Patria, og dette er også noe som er viktig nettopp i en nordisk og også i en nasjonal kontekst. Den 3. juni ble det kjent at AIM Norway kjøper forsvarsbedriften Pratt & Whitney Belgium Engine Center, BEC. Selskapene har i den siste uka vært i forhandlinger om kjøpet. Det har vært forretningssensitiv informasjon, som det ikke har vært anledning til å gå ut med før partene selv offentliggjorde det. Det var også veldig viktig at de ansatte i selskapet ble informert først. Jeg vil framheve at kjøpet. Det har vært forretningssensitiv informasjon, som det ikke har vært anledning til å gå ut med før partene selv offentliggjorde det. Det var også veldig viktig at de ansatte i selskapet ble informert først. Jeg vil framheve at oppkjøpet av BEC er styrets beslutning og basert på forretningsmessige vurderinger. Sammen med regjeringas forslag om å omdanne AIM til et aksjeselskap og få inn en strategisk partner på eiersiden skapes det godt grunnlag for ytterligere å styrke AIM Norways konkurranseevne i det europeiske og aksjeselskaper. Nettopp ved å velge lovformen legges det vekt på kontinuitet i driften, sånn at selskapets virksomhet kan videreføres uavbrutt. Det er også viktig for forutsigbarheten til de ansatte, og det er viktig for å beholde kompetanse. Det vil være positivt også for selskapets medkontrahenter. I tillegg vil en omdanning ved lov være tids- og kostnadsbesparende, siden en rekke problemstillinger da reguleres direkte i loven. Omdanningen i seg vil ikke ha personalmessige konsekvenser. I et eventuelt nedsalg vil det være viktig for regjeringa å ha en nasjonal forankring av hovedkontorfunksjonen og sikring av leveranser av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på forsvarsmateriell i Norge. For å ivareta dette målet er det i utgangspunktet tilstrekkelig med en eierandel på over en tredjedel, men det kan foreligge særskilte hensyn som tilsier at den nedre grensen for statens eierandel i enkeltselskaper med dette målet bør være høyere. Her syns jeg komiteen har landet på en god løsning i sin innstilling. Den framtidige statlige eierandelen vil i stor grad avhenge av hvilken strategisk partner man ønsker å få inn på For å ha nødvendig fleksibilitet, eventuelt å konsolidere med andre selskaper med statlig eierandel, med tilstrekkelig kontroll er også det forslaget komiteen nå legger inn, godt i så måte. Et viktig kriterium i valg av strategisk partner vil være i hvilken grad en ny eier kan være med på å videreutvikle og styrke selskapets konkurranseevne på kort og lang sikt. Det vil være viktig med en partner som kan bidra til økt investeringsevne i selskapet, og økt konsolidering og samarbeid i forsvarsindustrien. Ikke minst er det viktig for å kunne legge til rette for økt industriell understøttelse av Forsvaret i stort. I innstillinga er det også kommet noen merknader knyttet til spørsmålet om sikkerhet, forsvarsevne og sikring av fagmiljøet i Norge. Forsvarsdepartementet ved et eventuelt valg av strategisk partner på eiersiden i AIM Norway selvsagt vektlegge hensynet til beredskapsmessige forhold og evne til å sikre nasjonal produksjon. Det er også et viktig vurderingskriterium ved valg av strategisk partner, dennes vilje til å støtte opp om selskapets og norske ambisjoner. Det blir replikkordskifte. Erfaringene fra omstilling i form av virksomhetsovertakelse eller av selskapsform er at det ofte bidrar til usikkerhet. Om opparbeidede rettigheter og

av selskapsform er at det ofte bidrar til usikkerhet. Om opparbeidede rettigheter og pensjonsordninger blir gjennomført, er ofte det som opptar de ansatte. Dette kjenner vi igjen fra prosessen da renholdstjenesten ble overført fra Forsvaret til private aktører, og fra andre endringer i statsselskap, noe også statsråden var inne på i sitt innlegg. De ansatte i dagens gir uttrykk for den samme usikkerheten. Disse bekymringene har Arbeiderpartiet tatt på alvor. Representanten Nybakk fokuserte også på det i sitt innlegg. En enstemmig komité har da også vært tydelig på at alle rettigheter og pensjonsordninger må

det valget er det altså styret som tar. Staten vil fortsatt ha en eierandel og være med på å påvirke på den måten. Så vil jeg understreke, som jeg var litt inne på i innlegget mitt, at det bidra til å posisjonere og styrke AIM kanskje er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å trygge de ansattes arbeidsplasser i framtida. Det er høykompetent arbeidskraft. Det er veldig mye flinke folk som har evnet å tiltrekke seg også nye kontrakter etter at de – jeg holdt på å si – gamle kontraktene ble overført fra Luftforsvarets og en kontinuitet, vil også være viktig for å unngå det oppholdet som ellers kunne skapt usikkerhet. Så totalt sett mener jeg at dette er en god ordning også for de ansatte, som vil bidra til trygghet framover. Statsråden omtaler nå AIM som en viktig del av norsk forsvarsindustri. Det betyr at hun er skapt usikkerhet. Så totalt sett mener jeg at dette er en god ordning også for de ansatte, som vil bidra til trygghet framover. Statsråden omtaler nå AIM som en viktig del av norsk forsvarsindustri. Det betyr at hun er komfortabel med at fullmakten til nedsalg er blitt på maks 50 pst. og mer bare hvis kjøper har en statlig eierandel på 50 pst. Vil hun bekrefte det, for dette er jo det komiteen nå legger fram, Så må jeg også spørre statsråden om de ansattes rettigheter, for jeg oppfatter ikke at hun svarer på det. De ansatte har i dag én pensjonsordning for de ansatte som var der da bedriften ble omdannet til statsforetak, mens nyansatte har en annen pensjonsordning. Det ville være smålig, etter min oppfatning, dersom en endring av selskapsform skal føre til at de etter hvert kanskje ikke så mange ansatte som var der ved endringen i forrige runde, nå mister sin pensjonsordning. Kan statsråden kommentere det?

Når det så gjelder spørsmålet om pensjonsrettigheter og pensjonsordninger, er det, både som jeg skrev i svarbrevet til komiteen, og som jeg svarte på spørsmålet fra representanten Kåre Simensen, ingenting i omdanningen som endrer de rettighetene og forpliktelsene. Det er en beslutning styret i så fall tar, på akkurat samme måte som styret har gjort fram til nå.

får større verdi enn dei som vart lagde i 2011, og som ikkje hadde haldbarheit lenger enn i fem år? Som sagt skal ikke jeg gå inn og kommentere hva som eventuelt var vilkårene den gangen, men det som ligger i beslutningene som komiteen skal fatte i dag, dag, er en tydelig føring, som er helt uproblematisk for Forsvarsdepartementet, og som jeg mener gir godt rom for og åpner for at vi kan hente inn en strategisk partner som bidrar til å videreutvikle selskapet. Dette er også godt i tråd med prinsipper som brukes også ved andre statlige nedsalg, og det er etter min oppfatning en god løsning. Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Dette er en god dag. Det er

Norsk eierskap er ikke nødvendigvis det viktigste i seg selv, men det sikrer at vi har en viss kontroll over at hovedkontor og produksjon forblir i Norge. Det er nettopp det vi er enige om i dag, og det må vi være svært fornøyd med. Den typen arbeidsoppgaver som utføres på AIM på Kjeller, er komplisert og krever ansatte med høy kompetanse. Norge er et høykostland, og vi kan ikke konkurrere internasjonalt på med høy kompetanse. Norge er et høykostland, og vi kan ikke konkurrere internasjonalt på timeprisen til de ansatte. Vi må konkurrere på å være best. Vi må levere på kompetansen til de ansatte og på kvaliteten på produktet som disse ansatte leverer. Det er høykompetansearbeidsplasser vi har å gjøre med i AIM Norway, og det er denne typen arbeidsplasser vi må satse på dersom vi ser for oss at Norge skal ha en industri som kan konkurrere internasjonalt. En annen dimensjon, som ikke er tatt opp ennå i denne debatten, er at dette vedtaket, tror jeg, er viktig ikke bare for dagens fagarbeidere i AIM, men også for framtidige fagarbeidere og for ungdom der ute som nå lurer på om det er en framtid i å velge yrkesfag på videregående. Dette vedtaket mener jeg er et tydelig signal til disse: Velg yrkesfag, vi trenger og ønsker fagarbeiderkompetansen til de unge. Til slutt. Dette er en god dag for de ansatte på AIM. I dag sikres rettighetene deres gjennom den enstemmige merknaden fra komiteen som understreker at arbeidernes rettigheter skal ivaretas i omdanningen til aksjeselskap. Jeg mener dette er et prinsipielt og moralsk veldig viktig spørsmål – at man ikke på noen måte skal kunne organisere seg bort fra forpliktelser overfor de ansatte. Det viser at vi tar de ansatte på alvor. Og det må vi. Vi trenger disse høykompetente fagarbeiderne dersom vi ønsker å være konkurransedyktige. Det er nettopp disse arbeidernes kompetanse som er vårt fremste konkurransefortrinn. Vedtaket her i dag mener jeg understreker dette tydelig, derfor er det en god dag for de ansatte på AIM Norway. Jeg er
absolutt helt enig i representanten Grøslie Wenneslands poeng om at dette er en god dag for de ansatte i AIM, jeg vil bare understreke én ting, sånn at det kommer klart fram. Det står også i proposisjonen fra regjeringa. Vi har fra regjeringas side lagt veldig sterk vekt på nettopp å beholde hovedkontorfunksjonen i Norge. Det er også omtalt under punkt 3.3 i proposisjonen. Det som er viktig å understreke med det, er at det kan man også oppnå med en tredjedels eierandel. eierandel. Det betyr at man som eier – altså statens eierandel – kan motsette seg endringer i vedtektene. Det betyr også at regjeringa vurderer det dit hen at den framtidige klassifiseringen av AIM Norway AS, som det da blir, skal være under kategori 2 av de fire kategoriene som statlig eierskap har vært organisert under siden 2006. 2006. I kategori 2 er målsettingen med eierskapet bl.a. å sikre hovedkontorfunksjonen. Så dette hadde regjeringa allerede ivaretatt gjennom det som ligger i proposisjonen. Når jeg sier at jeg synes løsningen som komiteen har valgt, er god, er det fordi den bidrar til å understøtte det vedtaket og det ønsket vi har om å videreutvikle selskapet på en god måte. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 12 og 13.

nemlig å legge forholdene til rette for å motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, og dessuten å ivareta den enkeltes rettssikkerhet og å trygge tilliten til og forenkle grunnlaget for kontroll med forebyggende sikkerhetstjeneste. Vi står i dag overfor et sammensatt risiko- og trusselbilde. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i stadig endring. Samfunnet blir mer og mer sårbart, og teknologien utvikler seg i raskt tempo. Derfor er det viktig at sikkerhetsloven holder tritt med denne utviklingen. At dette opptar mange, viser de mange høringsinnspill som kom i arbeidet med revideringen av loven. Vi kan også konstatere at de foreslåtte endringene i loven ivaretar de fleste innspillene som kom i høringsrunden. Det er full enighet i komiteen om denne saken, og det er bra.

Dette har vært en langvarig praksis, og det er ingen grunn til at det skal være et skille mellom disse posisjonene og de som allerede er unntatt dette, som f.eks. oss stortingsrepresentanter. Det innføres også en varslingsplikt for virksomheter underlagt sikkerhetsloven som får kunnskap om en planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for rikets selvstendighet og sikkerhet. Den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige dataangrep mot kritisk infrastruktur, NorCERT, tas nå inn i loven. Også varslingssystemet for digital infrastruktur og behandling av personopplysninger tas inn i loven, og en konkretisering av oppgavene vil komme i en forskrift. Dagens forskrift om informasjonssikkerhet, som gir bestemmelse om at registrering av sikkerhetsrelevante hendelser skal lagres i minst fem år, tas nå inn i loven. Når det gjelder klareringsmyndighet, har det lenge vært behov for å etablere en ny klareringsmyndighetsstruktur med få, men kompetente klareringsmyndigheter. I dag har vi 42 klareringsmyndigheter. Det skaper utfordringer. Fagmiljøene er fragmenterte, og det er en skjev fordeling av saker. I tillegg stilles det stadig større krav til kompetanse for å behandle klareringssaker tilfredsstillende. Færre klareringsmyndigheter vil åpenbart øke rettssikkerheten til den enkelte og gi bedre grunnlag for likebehandling av saker. I proposisjonen foreslås det å redusere disse fra dagens 42 til 7, og at det kun skal være én klareringsmyndighet for sivil sektor og én for forsvarssektoren. Det framgår imidlertid av lovrevisjonen at de tre EOS-tjenestene fortsetter å klarere eget personell, samt at domstolene og Statsministerens kontor, av konstitusjonelle hensyn, fortsatt opprettholdes som egne klareringsmyndigheter. Det er også nytt at varslingsplikt ved anskaffelser til kritisk infrastruktur ikke er betinget av at anskaffelsen er definert som en sikkerhetsgradert anskaffelse, dessuten at virksomheter også dersom de ønsker å gjennomføre anskaffelser til kritisk infrastruktur som kan innebære en ikke ubetydelig risiko for rikets selvstendighet og sikkerhet. Det er viktig å bemerke at det nå også innføres en plikt for virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven, til å varsle overordnet departement dersom man får kunnskap om en planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko kunnskap om en planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført. Det er selvsagt avgjørende at myndighetene får mulighet til å reagere før en sikkerhetstruende situasjon blir en realitet. Derfor er det viktig at det også gis en hjemmel for Kongen i statsråd til å gripe inn i anskaffelser til kritisk infrastruktur der en slik risiko foreligger. Samlet sett er dette et hjelpemiddel for og dette vil føre til at virksomhetene selv utøver kontroll, vurderer risiko og iverksetter risikoreduserende tiltak, før en eventuell varsling blir sendt til myndighetene. Saksordføreren har redegjort utmerket for en

så det ikke blir flaskehalser. Det var et tema også i saken om innberetning fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. Det hørtes ut på statsrådens innlegg da som om man hadde lyktes med å gjøre noe med de flaskehalsene. Nå kan det oppstå nye, og da er det viktig at man har det for øye fra starten av. Det gjelder også kapasitet ved oppfølging av klagesaker, det har hendt at de også har hopet seg opp. Det var i grunnen bare det tillegget jeg hadde. Jeg er

Dette er den første delen av arbeidet med sikkerhetsloven. Det er et sikkerhetsutvalg som jobber med en helhetlig lovrevisjon, men regjeringa var av den oppfatning at det var viktig å få håndtert en del av de mer akutte utfordringene raskt, og derfor gjorde vi altså disse endringene i sikkerhetsloven nå. Selv om det er snakk om det man vil kunne kalle mindre endringer i gjeldende sikkerhetslov, er de endringene som foreslås, viktige nok. nok. Som den samlede komiteen selv peker på, står vi i dag overfor et veldig sammensatt risiko- og trusselbilde. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i stadig endring, samfunnet blir mer sårbart, og teknologien utvikler seg i et veldig raskt tempo. Derfor er det viktig at sikkerhetsloven holder tritt med utviklingen. Lovforslaget er et viktig tiltak for å styrke vår forebyggende sikkerhet. Når det gjelder forslaget om ny klareringsmyndighetsstruktur, er formålet først og fremst å få til en økt kvalitet i behandlingen av klareringssaker. Dette er, som vi har vært inne på i saken om Ombudsmannsnemndas årsberetning, veldig viktige avgjørelser, spesielt for de personene det angår, men også for de virksomhetene som er avhengig av sikkerhetsklarering for sitt personell. En reduksjon fra 42 enheter til i hovedsak to sentrale myndigheter, en i forsvarssektoren og en i sivil sektor, vil bidra til kompetanse- og kvalitetsheving og likebehandling i personellklareringssaker. Det er også både en effektivisering og en avbyråkratisering. Poenget til representanten Hansen er veldig godt. Jeg vil ikke utelukke at det akkurat i overgangsfasen kan være noe opphoping av restanser, men det som også ligger i proposisjonen, i punkt 12.2.2, er nettopp en forklaring på hvordan man skal overføre ressurser internt fra de myndighetene og sektorene som har hatt egne klareringsmyndigheter, til de sentrale klareringsmyndighetene som nå blir. Når man f.eks. i et departement eller i en sektor ikke lenger skal ha klareringsansvar, må det også overføres ressurser. Det er Justisdepartementet som er ansvarlig for den nye klareringsmyndigheten i sivil sektor, og da vil det altså skje en rammeoverføring til Justisdepartementet fra øvrige departementer i sivil sektor – og tilsvarende i militær sektor, hvor Forsvarets sikkerhetsavdeling får tilført ressurser fra de etatene i sektoren som ikke lenger skal være klareringsmyndigheter. Med hensyn til forslaget om behandling av personopplysninger er det viktig å presisere at denne adgangen bare skal gjelde i de tilfellene der det er nødvendig for at Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal kunne utføre den viktige oppgaven det er å håndtere alvorlige dataangrep mot kritisk infrastruktur. Overskuddsinformasjon, altså opplysninger som går utover formålet med innhentingen, vil verken bli oppbevart eller utlevert til andre. Hensynet til personvernet er ivaretatt ved at det er foretatt en proporsjonalitetsvurdering av behovet, sett opp mot legitime personverninteresser. Grunnkravene i personopplysningsloven skal gjelde ved håndtering av personopplysninger. Her er det snakk om en lovfesting av en praksis som allerede eksisterer, og jeg mener det er et selvstendig poeng å få denne typen praksis inn i lovs form. Lovfesting er en klargjøring av de rammene som skal gjelde, og det innebærer derfor en styrking av personvernet.

sørge for at aktuelle virksomheter får klarhet i hvilken overordnet myndighet som det i så fall skal varsles til. Den andre bestemmelsen pålegger virksomheter som i dag er underlagt sikkerhetsloven, å varsle dersom virksomheten får kunnskap om en planlagt eller pågående aktivitet som kan innebære en ikke ubetydelig sikkerhetsrisiko. Begge de nye lovforslagene kan betegnes som en sikkerhetsventil eller en nødbrems og forutsettes derfor ikke hyppig brukt, men forslagene er, etter min oppfatning, gode eksempler på at det skal tenkes forebyggende og ikke bare reaktivt for å hindre at det inntreffer forhold som innebærer en sikkerhetstrussel, som f.eks. en økt mulighet for spionasje eller sabotasje på samfunnsviktige objekter eller installasjoner. Det er viktig at myndighetene gis nødvendige verktøy for å kunne gripe inn når hensynet til landets selvstendighet og sikkerhet krever det.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

Den vil da dekke både verneplikt, militærnekting, Heimevernet og ansettelsesreglene for forsvarspersonell. Et stort flertall i komiteen tar framlegget om en felles lov til etterretning, også at gjeldende rett i det store og det hele skal videreføres. Bare noen få paragrafer har vi endret på. Det er paragrafer der departementet har foretatt en forskyvning av eksisterende ansvarsfordeling mellom storting og regjering eller departement, da i den utøvende makts favør, for å si det på den måten. Der har vi lagt inn igjen de opprinnelige formuleringene i dagens lovverk, slik at det går klart fram at departementet må ha Stortingets samtykke. Jeg kommer tilbake til det. Dagens vernepliktslov er stort sett uendret. Her er formålet å sikre Forsvaret tilgang på egnet personell. Alle er utskrivningspliktige fra det året de fyller 18 år, og vernepliktig alder er normalt fra 19 til 44 år, 55 for befal. Stortinget har de senere år besluttet at den samlede, ordinære tjenesten kan være inntil 19 måneder, fordelt på førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste. Det er Stortinget som bestemmer førstegangstjenestens lengde. Den er nå fastsatt til 12 måneder, med mulighet for differensiering med 6 og 18 måneder. Siden vi fra 2015 også har verneplikt for kvinner, altså en allmenn verneplikt på alvor, har komiteen bemerket at det blir viktig å tilrettelegge for kvinners tjeneste i Forsvaret. Det dreier seg både om kultur og holdninger og om utstyr og fysiske fasiliteter. Jeg vil vise til den debatten som var i salen for en times tid siden om Ombudsmannsnemndas framlegg. Når det gjelder den gamle militærnekterloven, kan det være verdt å merke seg at det nå er relativt få som ber om fritak av overbevisningsgrunner. I 2015 kom det inn 204 søknader mot 3 008 i 1998. Dette skyldes trolig at det blir mindre relevant når en så vidt liten andel av de vernepliktige tas inn til førstegangstjeneste. Heimevernsloven dreier seg om verneplikt og tjeneste i Heimevernet. Et bredt flertall i komiteen mener det er fullt ut mulig å ivareta Heimevernets egenart innenfor en felles lov. Men vi har to endringsforslag. Det første er prinsipielt sett viktig. Komiteen mener det fortsatt skal være slik at det er Stortinget som bestemmer HVs organisasjon og innpasning i Forsvaret. Den andre endringen er bare et tillegg slik at § 5 andre ledd endres til: «Heimevernet skal delta i territorielle operasjoner som en del av nasjonale fellesoperasjoner, og i vernet av heimtrakten.» Så til personelloven, som er en særlov til tjenestemannsloven for forsvarsansatte. Også her erstatter komiteen noen paragrafer og ledd med gjeldende lover, lovtekster og lovparagrafer. Det dreier seg bl.a. om forholdet mellom Stortinget og departementet, og hvilke avvik militært ansatte skal Dette er prinsipielt sett veldig viktige punkter. Det kan være noe ulikt syn i merknadene her mellom et flertall og mindretallet, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, men når det kommer til lovtekstene, er vi kommet fram til enighet, noe jeg er veldig tilfreds med, og vil takke Jeg tror det er veldig viktig at vi på akkurat disse områdene som regulerer både midlertidig tilsetting og andre ansettelsesvilkår, kan stå samlet i en slik sak. Flertallet er veldig, veldig bredt. Til slutt, når det gjelder frabeordring, viser komiteen i merknad til Innst. 383

og god støtte i denne komplekse saken. Intensjonen med sammenslåingen har vært å videreføre gjeldende rett innenfor én felles lov med et forenklet regelverk og et mer moderne språk. Høyres fokus i dette krevende arbeidet har vært en størst mulig enighet i komiteen om ordlyden i lovteksten. For oss har det vært viktig at en samlet komité står bak denne nye loven. Det har vi klart med noen få unntak, der Senterpartiet har valgt å stå utenfor noen av flertallsmerknadene som går på endringsforslag til lovteksten. Jeg vil kommentere endringene komiteen har valgt å gjøre i noen av lovtekstene. Komiteen mener det er riktig at det er Stortinget som fastsetter ordningen for militært tilsatte, og at departementet har instruksjons- og organisasjonsmyndighet og kan utforme nødvendige tilpasninger og regler innenfor de overordnede rammene i ordningen. Menneskene er Forsvarets viktigste ressurs. Den kompetansen de besitter, den erfaringen de har om utøvelsen av sitt virke, er Forsvarets største verdi. Personellet må derfor ivaretas på en best mulig måte. Den nye loven skal både sikre den enkeltes rettigheter i arbeidslivet og gi arbeidsgiver den nødvendige fleksibiliteten som trengs for å drifte en så kompleks organisasjon som Forsvaret er, som opererer i både fred, krise og krigssituasjoner. Det synes jeg vi har fått til. Vi har et sterkt stillingsvern i dag, og dette videreføres også i den nye loven. Dagens praksis med at Forsvaret kan bruke og fornye midlertidige tjenesteforhold inkludert åremålstilsettinger, videreføres. Det er også en overordnet målsetting å redusere antall midlertidig ansatte og øke andelen faste tilsatte. Komiteen mener det er riktig at Stortinget fortsatt skal bestemme og legge føringer for organisasjon og struktur i Heimevernet og gi forskrift om virksomhet i rådene, utvalgene og nemndene, slik saksordfører nevnte. Heimevernet utgjør en betydelig ressurs både for det sivile samfunnet, som bistandsressurs for politiet i beredskapssituasjoner og for Forsvaret. Det er gjort noen endringer i lovteksten. Det vil fremdeles være slik at HV fortrinnsvis skal delta i og ha lokalt territorielt ansvar med hovedoppgaver innenfor vakt og sikring av kritisk infrastruktur, men HV skal også nå kunne benyttes i territorielle operasjoner som en del av nasjonale forsvarsoperasjoner når dette er påkrevet. HV må kunne utvikles og organiseres i tråd med strukturen i Forsvaret, samtidig som det er viktig å verne om HVs Avslutningsvis vil jeg understreke at jeg mener vi nå har fått en ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret som gjør det enklere å finne fram til hvilke rettigheter og plikter som gjelder både for vernepliktige og sivilt og militært ansatte. Gjeldende rett videreføres, og regelverket har blitt oppdatert til dagens organisering av Forsvaret. Den brede enigheten i komiteen understreker nå også riktigheten av at arbeidet med sammenslåingen av fire lover til én ble igangsatt, gjennomført og nå avsluttet.

Ved at vi no har allmenn verneplikt for både kvinner og menn, er det viktig å leggja til rette for kvinners teneste i Forsvaret. Vi har, som også statsråden gjorde greie for i ei tidlegare sak i dag, hatt mange kvinner gjennom mange år i Forsvaret, og dei har gjort ein fantastisk jobb. Med den endringa vi no har fått innført, med allmenn verneplikt for begge kjønn, må også forholda leggjast til rette for det.

Når det gjeld heimevernsloven, er det avgjerande at Stortinget framleis skal bestemma og leggja føringar for organisasjon og struktur i Heimevernet. Heimevernet og sin eigenart og har viktige ressursar i form av dei enkelte menneska som sit inne med stor kompetanse og har god lokalkunnskap, noko som både er viktige innsatsfaktorar i ordinært beredskapsarbeid og er eit verktøy i antiterrorberedskapen. Avslutningsvis vil eg takka saksordføraren for eit svært godt arbeid, og eg vil gje ros for måten saksordføraren har gripe fatt i denne saka på, der vi i samarbeid, tverrpolitisk, har arbeidd oss fram til denne innstillinga.

og behovet kan være helt andre steder enn der hvor Heimevernet faktisk er i dag. Det at man kan flytte på disse styrkene fort, tror jeg er vesentlig. Hvis man, ikke minst, ønsker å ha noen heimevernssoldater opp til Nord-Norge, til Finnmark, f.eks., er det ikke sikkert at det i utgangspunktet er så mange der oppe, men man kan flytte styrker fra andre steder i Norge raskt opp til Finnmark, hvis det er behov for det. Men om man da skal endre begrepet «Heimevernet» til det det faktisk blir på sikt, nemlig en nasjonalgarde, burde man kanskje vurdere.

Lovforslaget er ein revisjon og ei samanslåing av heimevernlova, vernepliktslova, forsvarspersonellova og militærnektarlova. Samanskrivinga av lovene er ifølgje regjeringa ikkje meint å medføre materielle endringar, men noko ser like fullt ut til ha vorte endra på enkelte område. Det er spesielt eitt område Senterpartiet er uroa for, og det er samanslåinga av Som Landsrådet for Heimevernet har uttrykt, har dei vore uroa for at å slå saman heimevernlova med andre lover vil leggje press på Heimevernets eigenart. Sidan opprettinga av Heimevernet etter den andre verdskrigen og etableringa av heimevernlova i 1953 er Heimevernet knytt til lokalsamfunnet og forsvar av heimtraktene gjennom lov. I heimevernlova § 1 vert det understreka at Heimevernet fyrst og fremst skal I nytt lovforslag er dette bytta ut med «lokalt territorielt ansvar og skal delta i territorielle operasjoner». Senterpartiet deler vurderingane som er fremja av Landsrådet for Heimevernet og LO, om at grunntanken med Heimevernet må vidareførast. Det inkluderer lokale styrkar til forsvar av lokale område og objekt. Ei svekt lokal forankring av Heimevernet er ikkje ynskjeleg. Svekt lokal forankring og svekt samspel med det sivile samfunnet kan få negative konsekvensar for landsdekkjande beredskap, både sivilt og militært. Den noverande heimevernlova slår fast at Heimevernets plassering og lokalisering vert fastsett «av Kongen med Stortingets samtykke». Denne setninga er føreslått fjerna i proposisjonen. Både Landsrådet for Heimevernet, LO og Norges Offisersforbund har åtvara mot å fjerne denne formuleringa. Det gjer dei fordi kompetansen til å ta avgjerder i så fall ville verte skyvd frå Stortinget til regjeringa når det gjeld Heimevernets organisatoriske struktur. Senterpartiet meiner det ville vore uheldig om ansvaret for Heimevernets organisering og plass i Forsvaret og organiseringa av medlemane i og oppgåvene til råd, utval og nemnder vert flytta frå Stortinget til regjeringa. Difor støttar Senterpartiet tilrådinga frå LO og Landsrådet for Heimevernet. Heimevernet. Det er difor positivt at ein samla komité i innstillinga slår fast at det er avgjerande at Stortinget framleis skal avgjere organisasjon og struktur i Heimevernet. Det er mange moment i denne proposisjonen – som eg sa innleiingsvis – som Senterpartiet er samd i. Difor tek eg opp det eine i saka der me har eit noko avvikande syn. Den førre representanten som var på talarstolen, sa kor viktig det var at ein kunne flytte seg raskt. Ja, det kan vere viktig, men for store delar av Noreg er det vorte ganske langt til Heimevernet og Heimevernets avdelingar – og også langt for å øve. I dei militærfaglege råda frå forsvarssjefen var det vel òg forslag om å leggje ned Setnesmoen, heimevernsdistrikt 11. Dette handlar òg om tryggleik i kvardagen. Dette handlar òg om tryggleik i kvardagen. Det handlar om situasjonen i ein krigs- eller krigsliknande situasjon, men det handlar òg om krisesituasjonar i kvardagen, der Heimevernet er uvurderleg. Me har sett på Vestlandet kor viktig det er når stormar, flaum og anna råkar ein landsdel. Eg veit at òg andre landsdelar har opplevt det.

Det er nokre verdiar i det norske samfunnet som er verd å ta vare på òg i framtida. Dette er ein av dei. Med det tek eg opp Senterpartiets framlegg. Representanten Liv Signe Navarsete har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det sies at språk er makt, og det

Forenkling av regelverket er alltid en viktig oppgave politisk, og det gis høy prioritet. I forsvarsloven har regjeringa lagt fram et forslag som både forbedrer og forenkler regelverket for vernepliktige og ansatte i forsvarssektoren. Det er sammenslåing av vernepliktsloven, heimevernloven, militærnekterloven og forsvarspersonelloven til én lov. Lovarbeidet har vært en Lovarbeidet har vært en del av prosjektet «Klare lover for innbyggerne», som er en del av en satsing fra regjeringa på en enklere hverdag. Jeg har hatt som et viktig mål med det arbeidet å utforme lovene i et så klart og forståelig språk som mulig, og på den måten bidra til mindre avstand mellom innbyggerne og forvaltningen. Jeg er veldig glad for at det store flertallet i komiteen er enig i at lovene skal slås sammen til en felles lov. En felles lov vil gjøre det betydelig enklere å finne fram til på ett sted hvilke rettigheter og plikter som gjelder vernepliktige og militært og sivilt ansatte. Både vernepliktsloven og heimevernloven har lenge vært modne for denne type revisjon. Begge lovene er fra 1953, og militærnekterloven er opprinnelig Jeg har merket meg at det har vært en bekymring for at lovforslaget kan innebære endringer i Heimevernets struktur, og at forslaget kan bidra til å svekke Heimevernets

og det er viktig også å huske på mye av forhistorien, som også representanten Navarsete var inne på. Det er likevel viktig med en tidsriktig og relevant ordlyd i loven, og Heimevernet må også tilpasses de nye sikkerhetspolitiske utfordringene og utvikle seg i tråd med de militære krav som stilles til forsvaret av Norge. I tidligere tider hadde vi 18 heimevernsdistrikter. Nå er det og innsatsstyrkene i Heimevernet har i lang tid allerede kunnet bli satt inn også i andre områder enn der de har naturlig tilhørighet. Så jeg legger til grunn at «vernet av heimtrakten» må tolkes i samsvar med Heimevernets organisering til enhver tid. Gjennom den nye loven får vi et mer moderne regelverk, som er oppdatert til dagens organisering av Forsvaret. Utgangspunktet for arbeidet er videreføring av gjeldende rett, men å oppdatere lovverket til dagens organisering av Forsvaret. Jeg er også glad for at komiteen har sluttet seg til enkelte nødvendige endringer i loven som sikrer at Forsvaret får tilgang til nødvendig informasjon om personer som skal kalles inn til tjeneste, så man ikke kommer i situasjoner hvor personer som ikke er vandelsmessig skikket, får militær opplæring og våpentrening. Forsvarspersonelloven er en ung lov sammenlignet med de andre, men det er også behov for en språklig forenkling av denne og for å utforme den i samme språkdrakt som de øvrige. Enklere språk kan også innebære en presisering av uklare lovtekster og begreper som kan forstås på ulike måter. Selv om intensjonen har vært å forenkle, har vi sett at enkelte har hatt den oppfatning at omskriving av språket i lovene har bidratt til materielle endringer. Det har ikke vært intensjonen. Jeg har merket meg at komiteen foreslår å videreføre gjeldende ordlyd i forsvarspersonelloven om tilsettingsvilkår for militært ansatte. Det komiteen mener, er at regjeringas forslag til ordlyd innebærer et generelt unntak fra tjenestemannsloven for militært tilsatte og en utvidelse av retten til å tilsette midlertidig. Det har på ingen måte vært hensikten, og det ligger heller ikke i lovforslaget. Derfor er det heller ikke noe problem at komiteen legger seg på den gamle ordlyden, Forsvarspersonelloven og forslaget til forsvarslov er særlover til tjenestemannsloven, og unntak fra de generelle reglene i tjenestemannsloven må følge av lov eller forskrift, akkurat som de gjør i dag. Jeg vil også understreke at i Forsvaret skal hovedregelen være at de militære tilsettes fast, enten til 35 år eller til 60 år. år. Det er noe som vil forsterkes ytterligere nå når den nye militærordningen trer i kraft, for da er dette hovedregelen, og konvertering av stillinger til faste stillinger har allerede begynt i stort omfang. Språket utvikler seg, og språket i lover må også følge den utviklingen, så ikke avstanden mellom lovgiver og innbyggerne blir for stor. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 15. Etter ønske fra utenriks- og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

kjøp av Hårberg skole fra Ørland kommune og nye forlengninger for befal og vervede. Jeg vil si litt om hvert av prosjektene. Nytt forsyningslager for F-35 er av stor betydning for etableringen av kampflybasen, og lageret må stå klart ved mottak av de første F-35-flyene på norsk jord i 2017. Det er positivt at det er et internasjonalt nettverk som samarbeider om forsyningsløsninger for F-35, og dette lageret skal inngå som forsyningsbeholdning i dette samarbeidet. Hårberg skole har en ugunstig lokalisering tett opptil Ørland hovedflystasjon. Det er derfor veldig bra at det er enighet om at Forsvarsbygg skal kjøpe skolen fra kommunen. Det betyr at en ny skole kan etableres i tilfredsstillende avstand fra flystasjonen og gi elever og ansatte et godt miljø for læring. Ny skole skal stå klar i 2017. Det ligger også muligheter for gjenbruk av Hårberg skole for Forsvaret siden skolen ligger i tilknytning til flystasjonen, så denne løsningen vil kunne være positiv både for kommunen og for Forsvaret. Luftforsvarets styrkeproduksjon for luftvern og basesett samlokaliseres på Dette innebærer et merbehov på om lag 150 boliger og kvarter for befal og vervede. Byggingen gjennomføres i flere trinn. Dette innebærer godkjenning av 1. trinn med bygging av 50 boenheter som skal stå ferdig i løpet av 2017. Resten av boenhetene er planlagt i 2020. Det er mitt inntrykk at det er laget en god fremdriftsplan for byggingen av den nye kampflybasen, og prosjektene gir inntrykk av å utvikles etter planen. Jeg ønsker derfor å gi skryt til alle som arbeider med denne krevende utbyggingen. Proposisjonen inneholder også informasjon om Logistikkprosjektet i LOS-programmet, som er en del av et felles integrert forvaltningssystem for Forsvaret, FIF. Beklageligvis har ikke dette prosjektet hatt en like god

siden det har kommet en ny SAP-teknologi som kan gjøre FIF mer brukervennlig og enklere å drifte. Komiteen forutsetter at denne endringen ikke fordyrer og forsinker den pågående FIF-innføringen. Avslutningsvis vil jeg nevne at komiteen står samlet om at ved et eventuelt framtidig ubåtkjøp skal det inngås en overordnet strategisk og langsiktig industrisamarbeidsavtale hvor leverandøren/leverandørnasjonen forplikter seg til ulike former for industrisamarbeid tilsvarende ubåtens anskaffelsesverdi. Gjenkjøpsavtaler er av største betydning for norsk forsvarsindustri og sikrer markedsadgang til våre samarbeidspartnere og er et viktig grunnlag for større leveranser til det utenlandske markedet. Igjen mitt favorittema: forsvarsindustri. Jeg vil også takke saksordføreren for et solid arbeid. Videre er det

Dette er selvsagt noe som Fremskrittspartiet slutter seg til. Videre ønsker jeg å slutte meg til merknadene fra Senterpartiet og SV knyttet til ønsket om at det må gis kompensasjon til folk som må forlate hus og eiendom og ellers får sin livskvalitet forringet – ikke resten av merknaden, men den delen av den. Merknaden som omhandler forventet industrisamarbeid knyttet til en eventuell anskaffelse av ubåter, er særdeles viktig, som saksordføreren nevnte. saksordføreren nevnte. Nettopp nå må slike krav fremsettes av Stortinget. Det er nå vi har kundemakt, ikke når vi har signert kontrakten. Da har vi ikke noen sjanse, det viser erfaring. Det er derfor viktig at de politiske samtalene må vises. Man må vise til hva Stortinget har besluttet og at leverandørene forstår alvoret. Merknaden nå er ikke til å misforstå. I den står det at det ikke skal inngås noen kjøpskontrakt på anskaffelse av ubåter før det foreligger en overordnet strategisk og langsiktig industrisamarbeidsavtale hvor leverandøren og leverandørnasjonen forplikter seg til ulike former for industrisamarbeid tilsvarende ubåtenes anskaffelsesverdi. Det går ikke an å gjøre det mer presist. Dette er et signal til både ThyssenKrupp Marine System og Direction des Constructions Navales i Frankrike, og begge må merke seg dette. Det i Frankrike, og begge må merke seg dette. Det gjør de helt sikkert. Industrisamarbeid og gjenkjøp har vært helt avgjørende for den kompetansen og teknologiutviklingen som har funnet sted i norsk forsvarsindustri. Jeg tror faktisk ikke så mange er oppmerksom på hvor viktig den industrien er for Norge. Jeg vil derfor trekke frem et par eksempler som viser hva gjenkjøp og industrisamarbeid som ble initiert av myndighetene, har betydd. Kongsberg i samarbeid med Raytheon i USA har utviklet luftvernsystemet NASAMS for Forsvarets behov i siste halvdel av 1980- og første halvdel av 1990-tallet. Systemet er levert til seks nasjoner, inklusive USA, og flere nasjoner planlegger anskaffelser der NASAMS er aktuelt. Kontinuerlig videreutvikling og oppgradering i samarbeid med Forsvaret og eksportkundene gjør at Kongsberg i dag leverer et av verdens mest avanserte og kosteffektive luftvernsystemer i sitt slag. Så langt har NASAMS generert mer enn 13 mrd. kr i eksportinntekter. Samarbeidet med Raytheon ble etablert som følge av industrisamarbeidsavtalen som ble inngått i forbindelse med anskaffelse av missiler til våre F-16-fly i 1995. Samarbeidsavtalen hadde i utgangspunktet en varighet på ti år. I 2005 og deretter i 2015 ble avtalen fornyet for ytterligere ti år. Så langt har den ene industrisamarbeidsavtalen fra 1995 dannet grunnlaget for 30 års strategisk samarbeid og kan bli forlenget ytterligere, ettersom Raytheon nå har blitt Kongsbergs samarbeidspartner for markedsføring og salg av både NSM og JSM i USA. Et annet eksempel: Nammo på Raufoss er eneleverandør av motoren til luft-til-luft-missilet AMRAAM, hovedvåpenet til både det amerikanske og det norske luftforsvaret. AMRAAM benyttes på F-16 og i NASAMS. Langsiktig satsing på utvikling av produksjon av rakettmotorer på Raufoss er grunnlaget for suksessen. På slutten av 1990-tallet satset Nammo og norske myndigheter på et teknologiprogram for rakettmotorer, bl.a. med utgangspunkt i at Norge hadde besluttet å utvikle Naval Strike Missile, NSM, for de nye fregattene og kystkorvettene, og å delta i utviklingsprogrammet for ESSM-missilet Sea Sparrow, som brukes til luftvern for fregattene, og det missilet som er kortholdsvåpenet i våre F-16-fly. Det er utgangspunktet for at Nammo i dag har et av verdens mest avanserte kompetansemiljø for utvikling og produksjon av rakettmotorer. Suksessen med AMRAAM har åpnet dørene for å bli leverandør av flere missilprogrammer til både USA og Europa, bl.a. til det amerikanske missilet AIM-9X og det britiske LMM-missilet. I løpet av de siste ti årene har Nammo levert rakettmotorer til en verdi av om lag 4 mrd. kr. Mitt hovedpoeng er, som jeg håper alle registrerer, og jeg tror de fleste forstår det, at industrisamarbeidsavtaler er ikke planøkonomi som man har misforstått. Forsvarsindustrien er viktig for Forsvaret, for industrien, for verdiskaping og for Norge. Derfor må vi satse på både industrisamarbeidsavtaler og – jeg holdt på å si i verste fall – gjenkjøp, men industrisamarbeidsavtaler er det aller viktigste.

at fleire av dei som vert råka av flystøyen, ikkje er nøgde med korleis Forsvarsbygg har handtert saka. 176 huseigarar får ifølgje NRK tilbod om å selje huset ved rullebana i det som vert kalla raud sone, medan rundt 800 bustadeigarar får tilbod om støyisolering på grunn av den auka støyen frå dei nye kampflya. NRK snakka med dei 33 første som hadde selt huset sitt, og av desse svara 26 at dei ikkje var nøgde med prosessen. Senterpartiet er klåre på at dei som misser hus og heim, må få ei skikkeleg erstatning. Difor har me lagt inn merknader der me gjer det klart at me forventar at Forsvarsbygg ter seg på ein rimeleg og raus måte, slik at lokalbefolkninga på Ørland ikkje må lide for at dei skal huse landets kampflyplass. For oss er det ikkje akseptabelt at bønder ufrivillig må akseptere bustad utanfor støysona, medan dyra skal verte att innanfor støysona. Det er heller ikkje akseptabelt om folk vert kompensert med ein bustad Forsvaret meiner at «dei etter sin livssituasjon har trong for», i staden for at dei vert kompensert med ein bustad tilsvarande det dei har i dag. Forsvaret må vere tydeleg på at ein ønskjer å nytte nasjonale leverandørar i alle prosjekt der det er mogleg. Forsvarsindustrien vår er viktig for Noreg, både for økonomi, arbeidsplassar og nasjonal tryggleik. Dette er Stortinget samde om.

Senterpartiet understreker, saman med Venstre og SV, at før ein eventuelt skal underteikne kontrakt om leveranse av ubåtar, skal det gjerast forpliktande industriavtalar som sikrar norske leveransar. Det er viktig å slå fast at ein eventuell industriavtale skal ha ambisjon om å gje oppdrag til norsk industri til ein verdi som svarer til kjøpsverdien av

og slutte meg fullt og helt til de innleggene som har kommet fra komiteens medlemmer knyttet til Losprosjektet, som har pågått siden 2001, der de siste kravspesifikasjonene er fra 2008. Det var derfor nødvendig å gjøre en fornyet gjennomgang, som vi også varslet i budsjettproposisjonen for inneværende år. I tillegg mener jeg at de kommentarene og merknadene som har kommet inn knyttet til en eventuell anskaffelse av ubåter, er gode og fornuftige. Derfor bruker jeg ikke mye mer tid på det eller på de enkelte investeringsprosjektene, for de syns jeg er godt dekket av både saksordfører og andre. Jeg vil derfor i stedet bruke noe tid på å si litt om hvordan vi og Forsvarsbygg jobber med tanke på innløsning og støytiltak på eiendommer på Ørland. Generelt er det viktig å understreke at for oss er det å oppfylle forpliktelsene overfor samfunnet, som er nedfelt gjennom reguleringsplanverket og annet lov- og regelverk, veldig viktig. Så er det det å legge merke til når det gjelder Ørland, at reguleringsbestemmelsene ikke gir grunnlag for ekspropriasjon. Det betyr at både innløsning og støytiltak er en frivillig ordning for den enkelte eier, og de inngås etter vanlige avtalerettslige prinsipper. I prosessen vektlegger vi i sterk grad likebehandling av dem som er berørt, enten det er snakk om innløsning eller støytiltak. Ørlandsamfunnet vil bli behandlet innenfor det samme regelverket og den samme praksisen som andre lokalsamfunn som påvirkes av store statlige byggeprosjekter. Forsvarsbygg legger til grunn prinsippene i lov om vederlag ved oreigning av fast eiendom, eller vederlagsloven, som den heter på godt norsk, ved gjennomføring av et frivillig kjøp av bygninger med støyømfintlig bruksformål. I gjennomsnitt har Forsvarsbygg betalt over 40 pst. over taksert markedsverdi for de eiendommene der eier har bebodd eiendommen. viktig. Vi ønsker i samarbeid med landbruksmyndighetene at områdene rundt flystasjonen fortsatt skal preges av et aktivt landbruk. I de tilfellene der gårdeieren velger å få våningshuset innløst, kan driften for de fleste i stor grad fortsette som før. I og med at dette skjer ved hjelp av ordinære avtalerettslige kjøp, står også eier helt fritt til å akseptere et tilbud. Forsvarsbygg har beregnet at 175 boliger i rød støysone vil bli tilbudt innløsning. Inkludert i dette tallet er 34 landbrukseiendommer. Av disse 34 gårdsbrukene er 26 aktive gårdsbruk. De resterende er bortforpaktet. For bygninger med støyømfintlig formål legger vi som sagt til grunn prinsippene i vederlagsloven. Per 1. juni 2016 har Forsvarsbygg kjøpt 42 boliger fordelt på 37 grunneiere, hvorav 27 eiere har kjøpt seg ny bolig. 15 grunneiere har kjøpt seg ny bolig innenfor Forsvarsbyggs kjøpesum, og én boligeier av disse har kjøpt seg bolig utenfor Fosenhalvøya. Tre har kjøpt tomt og er i ferd med å bygge ny bolig. Sju har betalt mer enn kjøpesum for ny bolig, og én har kjøpt seg bolig utenfor Årsaken til at de har betalt mer enn innløsningssum, er at de har kjøpt en ny bolig med betydelig høyere ytelse, som f.eks. utleieenhet, helt nybygd bolig eller et vesentlig større areal. Av de innløste bolighusene er det hittil innløst tre sekundærboliger og et dødsbo. I tillegg til å dekke disse utgiftene, i gjennomsnitt 40 pst. over taksert markedsverdi, har Forsvarsbygg dekket utgifter til tilpasning og flytting med en rund sum på 120 000 kr samt dokumentavgift ved kjøp av ny bolig. Ytterligere sannsynliggjorte utgifter er også blitt dekket. Nettopp fordi dette følger vanlige avtalerettslige prinsipper, er også utgifter til juridisk og teknisk bistand blitt dekket av Forsvarsbygg. Jeg vil også minne om – og jeg tror det er et viktig poeng i denne sammenhengen, fordi det er mange boligeiere rundt Ørland som er usikre på hva de ønsker å gjøre – at det er lagt opp til at boligeierne kan vente til 31. desember 2019 med å bestemme seg for om man ønsker innløsning eller støytiltak. Det betyr at man i praksis får ca. to år etter at de nye flyene til å vurdere hvordan man synes støybildet er før man tar en beslutning på om man ønsker innløsning eller støytiltak. Etter min oppfatning er det samlede bildet av de tiltakene og den måten vi jobber på, både god og raus. Jeg mener at den er noe som tjener både Forsvaret og Ørlandsamfunnet på en god måte. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Denne investeringsproposisjonen er

og rullebaneforlengning. Nå kommer altså neste skritt, nemlig bygging av nytt forsyningslager for F-35-flyene og nye forlegninger. Bemanningen på Ørland vil øke kraftig når kampflybasen blir fullt operativ, og det er beregnet behov for 150 flere boenheter for befal og vervet personell. Regjeringen fortjener ros for å ha løst saken om framtiden til Hårberg skole, når kampflybasen blir fullt operativ, og det er beregnet behov for 150 flere boenheter for befal og vervet personell. Regjeringen fortjener ros for å ha løst saken om framtiden til Hårberg skole, da Ørland kommune har akseptert tilbudet fra Forsvarsbygg om å kjøpe skolen for 100 mill. kr. Som statsråden har redegjort grundig for, viser regjeringen vilje til å legge godt til rette for lokalsamfunnets behov i forbindelse med etableringen av kampflybasen, og den viser i praksis at den tar investeringsramme på snart 3 mrd. kr på Ørland. Stortinget viderefører med dette den store satsingen som vil gi Luftforsvaret de aller beste rammebetingelser, med topp moderne basefasiliteter som sikrer at kampflybasen er klar til å ta imot de første F-35 JSF-flyene som ankommer Norge høsten 2017. I tillegg skal Ørland fortsatt fungere som en base for NATOs AWACS-fly, og det er også et viktig hensyn. Som sagt innledningsvis: Dette er en stor og viktig sak for Forsvaret, men også for hele Midt-Norge. Det reiser seg et gigantanlegg på Brekstad i Ørland. Trønderne er stolte over å være vertskap for den nye kampflybasen. Vi snakker om en region der oppslutningen om Forsvaret står veldig sterkt, og der forsvarsviljen fortsatt lever i beste velgående. Det ble sist demonstrert under den store allierte Kampflybasen er det største statlige regionale utviklingsprosjektet i Trøndelag i vår tid. Det gir vekstmuligheter for alle deler av næringslivet, ikke minst for forsvarsrelatert leverandørindustri. Det vil tilføre regionen ny og bredere kompetanse og øke attraktiviteten i Trøndelag, men aller viktigst: styrke forsvaret av landet gjennom økt operativ evne.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

Dette er den fjerde avtalen om EFTA-landenes bidrag til den sosiale og økonomiske utviklingen i de økonomisk svakere medlemslandene i EØS-området. Et bredt flertall i komiteen sier seg enig med regjeringen i at det er i Norges interesse å medvirke til dette, og at disse bidragene også er med på å fremme de bilaterale forbindelsene. Det er mer enn 20 år siden EØS-avtalen trådte i kraft. Det er bred enighet om at avtalen har tjent sin hensikt på en god måte. Men etter så mange år og en kraftig utvidelse av medlemskretsen forvitrer den institusjonelle hukommelsen om denne avtalen, i både EUs institusjoner og EUs medlemsland. Også i dette perspektivet er våre bidrag til utviklingen i landene som sist kom med i dette samarbeidet, av betydning for oss. Det viser flagget. Komiteen understreker likevel at dette er en frivillig ordning, ikke noe vi er rettslig forpliktet til. Ved avtalens utløp er forpliktelsen bare å vurdere behovet for fortsatte bidrag. At Spania nå er ute av ordningen, viser at dette ikke er automatikk. Når det gjelder omfang og innretning, bruker jeg ikke tid på det her, men viser til innstillingen. Det er vel ingen hemmelighet at EUs utgangspunkt i forhandlingene var en betydelig økning – et høyst urimelig krav. På den bakgrunn kan komiteen, med unntak av Senterpartiet, si seg enig med regjeringen i at forhandlingsresultatet ble sett i lys av forventet inflasjon og at avtalen nå gjelder for syv år, ikke fem. Hovedprioriteringene i programmet er de samme i begge ordningene. Miljø og klima videreføres som hovedområde. I lys av migrasjonssituasjonen i Europa styrkes samarbeidet på dette området, særlig overfor Hellas, i tråd med tidligere signaler fra Stortinget. 1 pst. av midlene under den norske finansieringsmekanismen skal brukes til tiltak for et anstendig arbeidsliv, i tråd med ønsket fra arbeidslivets parter. Det nye i denne avtalen er opprettelse av et særskilt fond rettet mot regionalt samarbeid, noe som åpner for utvidet samarbeid med bl.a. Ukraina og Moldova. Også denne avtalen inneholder detaljerte regler som sikrer god ledelse og kontroll med gjennomføringen, et felles ansvar for begge parter. Stortinget skal også godkjenne avtalen om handel med fisk. Det har tatt lang tid å få på plass disse avtalene, og vi har stått uten en slik avtale etter at den forrige utløp 30. april 2014, noe EU må bære et hovedansvar for. Det er beklagelig. Regjeringen vurderer at den inngåtte avtalen gir en betydelig bedring av markedsadgangen til EU. Det er foretatt omdisponeringer av en rekke tollfrie kvoter som ikke er utnyttet, mot åpning av store, nye kvoter for filetprodukter av makrell og sildeprodukter. Komiteen peker likevel på at vi heller ikke denne gang har fått gjennomslag for kravet om å fjerne en rekke ubetydelige tollsatser som ville forenklet handelsregimet mellom EU og Norge, og at det heller ikke denne gang ble enighet om permanente kvoteordninger. Vi minner også om Innst. 101 S for 2015–2016 til stortingsmeldingen «Globalisering og handel», hvor et flertall peker på at markedsadgangen for norsk sjømateksport er basert på «et lappeteppe av avtaler og tidsbegrensede kvoter». Selv om avtalen om markedsadgang for fisk til EU vurderes som en forbedring fra den utgåtte avtalen, understreker et stort flertall i komiteen bekymring for at norsk sjømat kan stå overfor mer krevende markedsforhold, og peker igjen på behovet for å arbeide for tryggere rammebetingelser for sjømateksport gjennom bedre handelsavtaler, også overfor det europeiske

ble endelig signert 3. mai i år etter en forutgående lang og krevende forhandlingsprosess som ble avsluttet i juni i fjor. Den ble etterfulgt av en tidkrevende prosedyre på EU-siden. Avtalen omhandler også rammer for de såkalte Norway Grants og en tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen Norge har med EU om handel med fisk. Regjeringen fortjener ros for en god håndtering av prosessen og for å ha framforhandlet en god avtale for Norge. Avtaleperioden for EØS-midlene er forlenget til sju år. Norge, Island og Liechtenstein skal i perioden bidra med 2,8 mrd. euro, og det tilsvarer en samlet ramme på totalt 26,6 mrd. kr, der Norge finansierer det alt vesentligste, om lag 97 pst. Avhengig av valutakursen blir Norges årlige bidrag på om lag 3,3 mrd. kr til de 15 minst velstående landene i Europa. To særskilte fond på i alt 100 mill. euro er forbeholdt sysselsetting for ungdom, regionale samarbeidsprosjekt og styrking av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Forhandlingene om markedsadgang for fisk og fiskeprodukter har vært ført parallelt, og en enighet om EØS-bidragene forutsatte en tilfredsstillende løsning på dette området for Norge, dvs. en forbedret markedsadgang for Når den nye avtalen trer i kraft til høsten, har norsk sjømatnæring i realiteten vært uten en slik avtale i over to år, fordi de tidligere avtalene om frie kvoter utløp sammen med de gamle EØS-finansieringsordningene i april 2014. Det er uheldig. Dette har tatt for lang tid, og forsinkelsene ligger på EU-siden. Når det gjelder det videre arbeidet for å trygge rammebetingelser og bedre handelsavtaler for norsk sjømateksport,

og til å styrke EUs konkurransekraft og vekst i den globale økonomien. For å oppnå dette er det vesentlig at Norge nå innretter en mer strategisk bruk av EØS-midlene. Midlene skal målrettes mot innovasjon, forskning, utdanning og tiltak for økt mobilitet i det europeiske arbeidsmarkedet. De skal styrke Europas energisikkerhet og bidra til en offensiv klima- og miljøpolitikk, altså til overgangen til en mer grønn økonomi. Avtalen åpner i tillegg for å utvide politi- og justissamarbeidet mellom Norge og mottakerlandene, inkludert felles innsats for å håndtere migrasjonsutfordringene. Utviklingen i rettsstatsprinsippene i enkelte EU-land kan også bli et tema i forbindelse med at det skal forhandles fram detaljerte avtaler med de ulike mottakerlandene. Det er grunn til å gjenta betydningen EU og EØS-avtalen har for Norge, for verdiskapingen og velferden her hjemme. 75 pst.–80 pst. av vår eksport går til EU, og avtalen gir oss tollfri markedsadgang til 31 land med 500 millioner mennesker. Det indre markedet er bunnplanken i det europeiske samarbeidet og i Norges partnerskap med EU, og det er viktigere enn noen gang i lys av det komplekse utfordringsbildet som preger Europa. EØS-avtalen handler likevel om noe mer. Det er ikke bare snakk om markedsadgang, økonomi og finansieringsordninger, men om relasjoner og verdifellesskap. På de fleste områder er vi avhengig av europeisk samarbeid og å finne gode løsninger i felleskap for å fremme nasjonale interesser. Når avtalen om EØS-finansieringsordningene nå ratifiseres, ønsker vi regjeringen lykke til med forhandlingene om rammeavtaler med de 15 mottakerlandene om innretningen – detaljbruken av midlene.

Jeg vil først av alt takke saksordføreren for en veldig god jobb, både skriftlig i komiteen og muntlig nå nettopp. Sånn sett er det nesten ikke behov for å si noe mer, synes jeg, ikke minst etter foregående taler, som også orienterte og redegjorde. og redegjorde. I tillegg til det er det ikke så veldig lenge siden vi hadde en EØS- og EU-debatt her i salen, hvor flere av oss kom inn på akkurat denne avtalen her, som har vært en etterlengtet avtale. Bare det at det har tatt omtrent to år, sier jo sitt, så endelig får vi den nå til ratifisering – og mer eller mindre enstemmig, bortsett fra litt fra Senterpartiet og til dels SV. Jeg vil bare understreke at jeg er glad for at regjeringen vil prioritere å bruke disse EØS-midlene på innovasjon, forskning og utdanning, bl.a., og i tillegg utvide politi- og justissamarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Nå som det blir lagt til rette for at norske bedrifter, kommuner, forskere, arbeidslivets parter og frivillige organisasjoner kan kan delta i programmer, kan jeg ikke understreke nok hvor viktig det er å markedsføre og informere om dette over det ganske land, både i Norge og i mottakerlandene, at det tas videre og gjøres noe med. Det er iallfall tilbakemeldinger jeg har fått i flere år, hvor lite kjent det er, spesielt blant næringslivet. Jeg ser ikke noe behov for å forlenge debatten, i og med at det er siste sak, så da vil jeg bare ønske lykke til og håper at statsråden tar disse poengene med jeg bare ønske lykke til og håper at statsråden tar disse poengene med seg. I denne saka har Senterpartiet eit noko anna syn enn fleirtalet på fleire punkt. Eg vil teikne meg for eit treminuttarsinnlegg om EØS-midlane etterpå og konsentrere meg om marknadstilgang for fisk i dette innlegget. For drygt 20 år sidan meinte EU-tilhengarane at Noreg måtte melde seg inn i EU, elles ville tollsatsane nærast stanse eksporten av norsk fisk. EU-tilhengarane såg færre problem med det faktum at Noreg ville miste kontroll over dei norske fiskeressursane. Kven som hadde eigarskapen til fisken, verka å vere mindre vesentleg enn kor mange prosent toll det var lagt på han. Under EU-kampen, etter rettare sagt EEC-kampen, i 1972, hadde nei-rørsla eit glitrande slagord: Nei til sal av Noreg! Det er interessant at ein del av dei som ikkje såg problem med å miste norsk kontroll over norske fiskeressursar under EU-kampen, i fjor markerte seg aktivt i Nei til sal av Noreg-kampanjen. Senterpartiet vert seinast i dag kritisert for å nedvurdere tydinga av tollsatsar på norsk fisk, spesielt no som me snart kan stå overfor ein stor debatt kring norsk tilknyting til Eg er glad for debatten som vert reist. Senterpartiet ønskjer ein debatt basert på fakta og våre historiske erfaringar med effektane av endringar i tollsatsar på fisk. EU-tilhengarar og gryande TTIP-forsvararar prøver å nytte fisk som argument for å svekkje norsk sjølvstende og knyte Noreg tettare til EU. Det er med andre ord gode grunnar til å gå nærare inn på fakta i denne debatten. Eg vil her sitere direkte frå ein rapport, utarbeidd ved Universitetet i Tromsø i 2011:

Dersom rapporten frå Universitetet i Tromsø er rett, endrar dette mykje av premissane i debatten kring norsk handelspolitikk. I fjor lanserte NUPI boka «Interessekonflikter i norsk handelspolitikk». Ei av problemstillingane som vert prøvd teikna, er at norsk landbruk står i vegen for eksport av norsk fisk. Under eit møte om boka vart det spurt om NUPI hadde data som viste samanhengen mellom endringar i tollsatsar på fisk og endringar i Heile premissen for at det skal vere ein konflikt mellom landbruk og fisk, må jo vere at dagens tollsatsar på norsk fisk er til vesentleg skade for fiskeeksporten. Samanhengen mellom endringar i tollsatsar og eksport av fisk hadde NUPI like fullt ikkje nokon dokumentasjon I media er representanten Svein Roald Hansen sitert på at det «er nesten ikke bearbeidelse av fisk i Norge lenger, og det er ingen tvil om at det skyldes tollbarriérene». Kan representanten Hansen vise til ei einaste bedrift som reduserte produksjonen i Noreg på grunn av tollsatsar? Om han ikkje kan det, korleis kan han då klage Senterpartiet for å bagatellisere verknaden av toll? Det er tydeleg at det er bruk for ein slik studie som Senterpartiet føreslår. Då Findus og Frionor la ned si drift i Noreg, hadde alle kvitfiskprodukta deira nulltoll uansett foredlingsgrad. I dag ser me at Noreg ikkje fyller sine tollfrie kvotar på foredla fiskeprodukt, og at regjeringa i forhandlingane med EU difor føreslo å byte dette bort mot andre produkt. Nettopp for å leggje til rette for ein kunnskapsbasert debatt fremjar me i dag frå Senterpartiet eit framlegg. Her ber me regjeringa utarbeide ein studie som viser samanhengen mellom endringar i eksportert kvantum av alle relevante sortar norsk fisk og endringar i tollsatsane på desse fiskeslaga, frå 1990 og fram til i dag. Når representanten Hansen, tidlegare leiar av Europarørsla, meiner at eg bagatelliserer tollsatsar på norsk fisk, forventar eg at han vil støtte dette forslaget. Alle vil vel få fakta på bordet? Ønsker representanten å ta opp forslaget? Eg tek opp framlegget frå Senterpartiet. Representanten Liv Signe Navarsete har tatt opp det forslaget hun refererte til.

men grunngjevinga er òg fordi rettferd og tryggleik i Europa er i Noregs interesse og vil fremje samarbeid mellom landa. Det er spesielt i Sør- og Aust-Europa dei sosiale problema er størst – det er der vi finn dei fattigaste landa i Europa. SV støttar tiltak i desse landa. SV tok òg først til orde for at Ukraina og Moldova skal kunne bli støtta gjennom desse ordningane, men har der vore ei problematisk utvikling dei seinare åra, som SV i denne omgangen stiller spørsmål ved. For det første: Kvar gong EØS-finansieringsordninga er oppe til handsaming, blir beløpet pressa vesentleg opp. I utvidingane i 2004 og i 2007 gjekk beløpa opp mykje, og krava like eins. Innlemminga av Romania, Bulgaria og Kroatia var små utvidingar for EU, men har hatt stor konsekvens for EØS-finansieringsordninga. For det andre: Undersøkingar viser at tiltaka i liten grad har ført til auka sosial rettferd, og det er derfor på sin plass òg for alle å spørje seg om ein med midlane oppnår det opphavlege føremålet. Så til marknadstilgang for fisk. Det har der vore parallelle forhandlingar ved sida av EØS-finansieringsordninga. Det har stor betyding for norsk fiskeindustri, og det er positivt at ein gjennom avtalen har fått veksla uutnytta frikvotar til å styrkje marknadstilgangen for andre delar av fiskeria, nemleg foredla sjømatprodukt. Men det er ikkje klokt å byte marknadstilgang mot toll. Det strid mot EØS-avtalens prinsipp om gjensidig påverknad, balanse mellom rettar og plikter, og dei blir brotne når ein part må betale for gjensidig marknadstilgang. Det er òg unyansert å påstå at nedgangen i visse delar av norsk sjømatindustri – som nokon i denne salen hevdar er heilt borte – berre handlar om tollbarrierar. Eg siterer saksordføraren, Svein Roald Hansen: «Det er nesten ikke bearbeidelse av fisk i og det er ingen tvil om at det skyldes tollbarriérene.» Eg meiner at det her er to feil i ei og same setning. For det første er det – det kan jo da europaministeren, som er tidlegare fiskeriminister, bekrefte – monaleg foredling av fisk i Noreg i dag, og det at nedgangen har si årsak i tollbarrierar, finn han ingen støtte til å påstå i t.d. regjeringas nyleg framlagde sjømatindustrimelding, som den same ministeren faktisk i stor grad stod bak. Den viser at det som er den store hindringa for sjømatindustrien, er evna til å utnytte meir av råstoffet, evna til å utnytte produksjonsutstyret gjennom større delar av året ved at ein ikkje i stor nok grad er dyktig til å utnytte ny teknologi, og ikkje minst den generelle kostnadsutviklinga i Noreg dei siste 20 åra. Tollbarrierar er berre ein liten del av dette, og det er svært unyansert, for å seie det sånn, det som representanten Hansen påstår, at det er ingen tvil om at heile nedgangen har si årsak i tollbarrierar. Og det trur eg òg at sjømatnæringa merkar seg, at det er ein litt unyansert påstand her i denne debatten. Det er kanskje nettopp derfor det burde vere i alles interesse å få meir kunnskap om dette, kanskje setje seg inn i dei sakene vi allereie har utgreidd, men òg få større kunnskap om forholdet mellom tollsatsar og eksportkantar. Vi i SV klarar ikkje å forstå at det skal vere problematisk å gi si støtte til det. Vi støttar forslaget frå Senterpartiet, og eg oppmodar òg dei andre partia til å bidra til at vi får

Midlene skal også bidra til å styrke de bilaterale relasjonene mellom Norge og mottakerlandene. Det legges derfor til rette for at bl.a. norske bedrifter, forskere, kommuner, arbeidslivets parter og frivillige organisasjoner kan delta i samarbeidsprosjekter med EU-land. De nye avtalene med EU om nye EØS-finansieringsordninger innebærer at finansieringsperioden er utvidet fra fem til sju EUs utgangskrav var på 84 pst. økning, mens sluttresultatet var om lag 11 pst. økning i de årlige bidragene. Inflasjonen i EU i femårsperioden før forhandlingene fant sted, var samlet om lag 10,7 pst. Dette innebærer at det bare var en marginal reell økning i bidragene sammenlignet med forutgående periode. har som en sentral del av oppfølgingen av en aktiv europapolitikk meget ambisiøse målsettinger for en mer målrettet bruk av EØS-midlene i årene framover. Vi vil øke innsatsen for å bedre Europas konkurransekraft og skape et framtidsrettet indre marked. Målet er å stimulere til nyskaping, vekst og arbeidsplasser gjennom innovasjon, forskning og utdanning. Samtidig skal vi bruke EØS-midler på å styrke Europas energisikkerhet og bidra til en offensiv klimapolitikk. Vi vil også øke støtten til politi- og justissamarbeid mellom Norge og mottakerlandene, inkludert asyl- og migrasjonssamarbeid. Her har alle europeiske land et felles ansvar. Videre ønsker vi også å styrke minoriteters deltakelse i politikk og samfunnsliv og beskytte deres rettigheter. Deler av støtten vil bli øremerket til å bedre romfolks levekår. Samtidig viderefører vi støtten til det sivile samfunn og et eget fond for å fremme samarbeid mellom arbeidslivets parter. Dette inkluderer også tiltak for å bekjempe grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. La meg også nå her få benytte anledningen til å framheve noen gode eksempler fra inneværende periode, fra et par av mine reiser til mottakerlandene. I Estland har vi hatt stor suksess med programmet Grønn Industriell Innovasjon. Det har ført fagmiljøer sammen på tvers av landegrensene og skapt nye og smarte løsninger på områder som energiovervåkning, velferdsteknologi og miljøteknologi. Det er spesielt gledelig at disse prosjektene har ført til samarbeid som står på egne bein, også etter endt støtteperiode. Da jeg nylig besøkte Tallinns tekniske universitet, fikk jeg også lære mer om et vitenskapelig samarbeidsprosjekt med Universitetet i Bergen, finansiert gjennom det bilaterale forskningsprogrammet. Forskningen dreier seg om kommunikasjon mellom nerveceller med relevans for sykdommer som Alzheimer, Huntingtons sykdom, autisme og depresjoner. Dette er et meget godt eksempel på bruk av EØS-midler til anvendt forskning i en bilateral kontekst. Et annet viktig satsingsområde, både i forrige periode og i ny periode, er inkludering av sårbare grupper. Utdanning er veien ut av fattigdom for Tidlig skolestart øker i første rekke muligheten for at rombarn fullfører grunnskolen, men også for at flere tar høyere utdannelse på lengre sikt. Bulgaria er et land som har en stor rombefolkning. Imidlertid er det en utfordring at barn fra romfamilier ikke er flytende i bulgarsk når de begynner på skolen. Det skyldes bl.a. at det i liten grad finnes noe barnehagetilbud, og at romfolk i stor grad bor og lever isolert fra den bulgarsktalende majoriteten i landet. Derfor er det viktig at rombarn får et førskoletilbud med språkopplæring, slik at de står bedre rustet når skoleløpet starter for alvor. Vi har brukt EØS-midler i Bulgaria til bl.a. førskoler for rombarn i Sofia. Dette viser at EØS-midlene brukes på utsatte grupper og kommer noen av de svakeste i Europa til gode. Vi gar nå inn i en hektisk periode med forhandlinger med 15 mottakerland om innretningen på midlene. Jeg vil holde Stortinget orientert og informert om framdriften og resultatene. Avtalene om nye EØS-midler er en konkret oppfølgning av regjeringens arbeidsprogram for samarbeid med EU. Jeg er overbevist om at vi allerede har oppnådd mye med EØS-midlene, og at med Stortingets godkjenning i dag ligger alt til rette for at vi også med de nye EØS-midlene skal kunne bidra til å skape et grønt, konkurransedyktig og inkluderende

om den nye finansieringsordninga for EØS-midlar, er det nettopp denne. Attendemeldingane eg får frå folk når dei høyrer om Noregs løyvingar gjennom EØS-midlar, er svært sjeldan, rettare sagt aldri, at dei får for mykje informasjon om desse midlane. Tvert imot, særs få har fått informasjon om kor mykje Noreg faktisk løyver i slike midlar. Enda færre har fått informasjon om kva midlane faktisk går til. Ord som transparens og openheit er flott, men dei er lite verde om dei ikkje vert følgde opp i praksis. Med denne merknaden frå ein samrøystes komité er det gitt ei klår oppgåve frå storting til regjering: Informer norske veljarar meir om kva desse midlane går til. Senterpartiet vert kritisert for at me ikkje støttar dei høge og aukande løyvingane av EØS-midlar. Det er sjølvsagt heilt legitimt å meine at me skal auke bruken av EØS-midlar, og kritisere Senterpartiet for at me vil det motsette. Eg helsar debatten velkomen og vil gjerne medverke til den. Eg er ikkje i tvil om at Noreg kan motverke fattigdom meir effektivt på andre måtar enn gjennom å gi løyvingar til EØS-midlar. Det har Riksrevisjonen sagt noko om i 2013, at det er usikkert om det kan dokumenterast at det faktisk har vorte meir sosial og økonomisk utjamning. Òg i europameldinga vert det stilt spørsmålsteikn kring dette.

ein sjå at me vil løyve 10 mill. kr til finansiering av museum for samtidskunst i Sofia, og ein kan lese at Noreg har løyvt nær 50 mill. kr til bygningen som husar polsk kunst frå det 19. hundreåret. Det er sjølvsagt fint å bidra til det, men er det ei vital norsk interesse å nytte 50 mill. kr til det? Eg meiner me kan bruke pengane meir effektivt og betre. I revidert nasjonalbudsjett skriv regjeringa at den nye EØS-ordninga vil koste 82 mill. kr dette året – berre i administrasjonskostnader. Senterpartiet vil kutte dei kostnadene og heller nytte midlane til å trene Heimevernet meir enn det me gjer i dag. Me kan finansiere årleg trening av alle heimevernssoldatar i Noreg for dei pengane, og me veit at Forsvaret manglar midlar til å gjere det. Eg synest det er spesielt interessant at Framstegspartiet er ein ivrig tilhengjar av å prioritere midlane på eit slikt vis. Eg forventar at regjeringa følgjer opp merknaden frå komiteen, og legg opp til meir debatt om bruken av norske

Så debatten om toll og fisk. Det er selvsagt riktig at det er ikke tollsatsene alene som har gjort det vanskelig å ha en høyere fiskeeksport til EU. Det gjelder også kostnadsnivået, som Knag Fylkesnes pekte på. Men jo høyere kostnadsnivå vi har, jo viktigere er det å få bort en handelshindring som toll. Det synes jeg skulle være ganske opplagt. At ikke betyr noe for handel – det er jo den første handelshindringen enhver frihandelsavtale får bort, så denne teorien om at toll plutselig ikke betyr noe for fiskeeksporten, er ganske original. Jeg tror ikke vi behøver å ha noen stor utredning for å finne ut av at toll er en handelshindring som man bør få bort. De fleste frihandelsavtaler innebærer en nulltoll, og etter hvert som det har blitt et ganske stort nettverk av det, vil handelsavtalene også innebære andre elementer. Jeg vet ikke hvem Navarsete sikter til med TTIP-forsvarere. Det er en avtale vi ikke er en del av, og hvis det blir en TTIP-avtale mellom EU og USA, hører i hvert fall jeg med til dem som vil si at da tror jeg Norge og EFTA har et dilemma. Det blir krevende å vite helt hvordan vi skal håndtere den situasjonen. Vår EFTA-partner Sveits har forsøkt å se på mulighetene for å forhandle en frihandelsavtale med USA, og da de oppdaget hva det kunne si på landbrukssiden, ble det fort slutt på det forsøket. Det er det dilemmaet vi vil stå i også, så det er ingen enkel løsning. Jeg Jeg tror ikke det dilemmaet kommer til oss veldig fort, for å si det på den måten, slik som situasjonen ser ut i USA, men det gjenstår å se. Når det gjelder informasjon om midlene, er det viktig. Så er vi i en verden i dag hvor det å nå ut til befolkningen ikke er like enkelt som det var før, men jeg kan anbefale representanten Navarsete å følge EFTA på Twitter. Da vil det jevnlig komme inn små drypp om informasjon om hva disse midlene er gått til.

at tilgang på sentrale innsatsfaktorer som råstoff, arbeidskraft og kapital i tillegg til markedsadgang – med to streker under markedsadgang – er sentralt for sjømatnæringens og sjømatindustriens konkurransekraft. At det har vært eksportvekst de siste 25 årene, kan ikke tas som et bevis på at tollsatsene til EU ikke har effekt. Sjømatnæringen har i flere høringer her på Stortinget, senest i forbindelse med globaliseringsmeldingen og sjømatindustrimeldingen, nettopp vist til at tollsatsene til EU-markedet er svært negative, og at fjerning av dem vil kunne legge grunnlag for økt verdiskaping i Norge. Det er klart at når man møtes med er ikke potensialet spesielt stort for å drive med røyking av laks i Norge, og å kunne selge det, når polsk foredlingsindustri importerer laksen som råvare og foretar foredlingen der. Jeg konstaterer bare at Senterpartiet er på radikal kollisjonskurs med det som er et krav fra en samlet næring, både fra fiskeri- og industrisiden, at dette med bedre markedsadgang og

men potensialet for hvilken verdiskaping vi skal kunne få ut av disse næringene, henger nøye sammen med markedsadgang og hvilke muligheter vi har til å være konkurransedyktige ute i markedene. Og jeg vil understreke at selv lave tollsatser kan være av stor betydning når det gjelder å være konkurransekraftig i en næring hvor marginene mange ganger er svært små.

ekstremt viktige – og veldig spennande marknader å kome inn i. Mercosur-landa i Sør-Amerika blir sett på som spesielt viktige å få innpass i. Vidare blir enkeltland i Afrika, som Angola og Nigeria, sett på som ekstremt viktige å kome inn i. Den typen spørsmål kan eg kjøpe, men å redusere dette og alle problema for norsk sjømatindustrinæring til eit spørsmål om toll er unyansert. Min alarm for dette gjekk idet eg såg setninga til Svein Roald Hansen. For på den eine sida er det ein reduksjon til eit spørsmål om toll, og på den andre sida, i iveren etter å få dette til eine og aleine å vere ein tolldebatt, påstår ein at det nesten ikkje er tilverking av fisk i Noreg lenger. Det er også påviseleg gale; det er berre å lese sjømatindustrimeldinga frå regjeringa. Det Det er klart at vi ønskjer å tilverke vesentleg meir fisk i Noreg enn det vi gjer i dag, men vegen til å klare det går gjennom langt meir enn berre toll: større utnytting av teknologi, å få utnytta produksjonsutstyret i større delar av året, osv. Det er veldig mange sider her som spelar inn. Så eg trur alle gjer å få ordentlege fakta på bordet når det gjeld forholdet mellom tollsatsar og kvantum fisk, for det vil også kunne bidra til å opplyse denne debatten – i tillegg til, vil eg seie, den svært gode analysen som regjeringa gjorde i sjømatindustrimeldinga. Representanten Liv Signe Navarsete har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad,

produksjonen sin i Noreg på grunn av tollhindringar? Når han er så tydeleg som han har vore i media i dag, og skuldar oss for å bagatellisere dette, må ein i alle fall ha så store kunnskapar at ein kan leggje fram nokre fakta i saka og ikkje spreia mytar – unyanserte mytar. Ja, toll har sjølvsagt ei tyding, men det er ikkje slik som det vert framstilt av enkelte, at det berre er toll som er viktig for at me skal få ein endå større vekst i den kjempeviktige framtidsnæringa som fiskeri og havbruk er for Noreg. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 17. Da er Stortinget klar til å gå til votering.

berge

Statsråd

Da er Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det satt frem i alt 16 forslag. alt 16 forslag. Det er forslagene nr. 1–14, fra Jorodd Asphjell på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslagene nr. 15 og 16, fra Iselin Nybø på vegne av Venstre og Sosialistisk Venstreparti Det voteres først over forslag nr. 16, fra Venstre og

Jeg skjønner ikke hva som er problemet. Hva er problemet? Da er det en eller annen som blir registrert på «folkets røst» eller hva det heter for noe, som stemmer helt på kryss og tvers. Hvis skjermen fungerer der, så skal vi gå god for deg hvis du blir hengt ut! Dere minner meg litt om en fjern fortid på juridisk lesesal. Etter åtte timer med nesen lagt mellom juridiske permer er det utrolig hvor lite man ler av! Jeg husker jeg mistet en 50-øring en gang – det slo virkelig an! Ok – nå har vi fått plassert representanten Bøhler. Det i seg selv kan jo være en utfordring. Men

Nytt kapittel 16 d. Dataavlesing, resten av § 216 o, § 216 p, resten av § 222 d første til tredje ledd samt II § 17 d første og annet ledd. Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Da tar vi det til etterretning. Under debatten er det satt frem i alt 13 forslag. Det er forslagene nr. 1–7, fra Stein Erik Lauvås på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 8 og 9, fra Stein Erik Lauvås på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag nr. 10, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 11 og 12, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet forslag nr. 13, fra Karin Andersen på vegne av